fattigdomsbekjempelse om adskillig mer enn det. For oss handler det om å bidra til å få på plass infrastruktur og utvikle næringsliv. Det handler om å bygge opp helsevesen, om å hindre at kvinner dør når de føder, og om å gi barn skolegang. Det handler om å bidra til demokratiutvikling, bekjempe diskriminering og gjøre folk i stand til å ta ansvar for utviklingen i eget land. Når Høyre skriver i innstillingen at de ønsker å fjerne norsk bilateral støtte til Latin-Amerika og redusere kraftig til Asia, blir jeg bekymret. Jeg blir bl.a. bekymret for det arbeidet som gjøres i Latin-Amerika når det gjelder menneskerettigheter. Da Fremskrittspartiet lanserte sitt budsjett, kunne man lese om store kutt til Afrika, til sivilt samfunn, til internasjonale organisasjoner, fred, forsoning, demokrati og vaksiner – listen er dessverre lang. Og det gjør meg ikke mindre bekymret enn Høyre sine kutt. Jeg tenker på hvor effektivt vaksiner er når det gjelder å bekjempe barnedødelighet, på det enormt gode arbeidet som norske frivillige organisasjoner gjør verden over, på viktigheten av å bidra til fredsbygging. Poenget er at Høyre og Fremskrittspartiets kutt ville ha gitt store konsekvenser. Arbeiderpartiet ønsker en annen politikk. Vi ønsker en solidarisk politikk, og derfor er jeg glad for at det er regjeringens forslag til budsjett som vil bli vedtatt i løpet av natten en gang. Jeg vil begynne med noe så utradisjonelt som å peke på at jeg mener at statsminister Stoltenberg hadde et godt poeng i sitt innlegg når han sa at det ikke er bare på grunn av at vi fant oljen at vi har kunnet utvikle det samfunnet vi har i dag. Lille julaften 1969 ble daværende statsråd i Industridepartementet Sverre Rostoft varslet om at oljeselskapet Philips hadde funnet olje på Ekofisk, og at funnet var At vi fant olje var ikke i seg selv årsaken til at vi er kommet dit vi er i dag. At vi fikk på plass en god forvaltning og et godt skatteregime for næringen var også viktig. Men det som har hatt størst betydning for utviklingen for norsk petroleumsnæring og den betydningen næringen har fått for Norge i årene etterpå, var det teknologiløftet visjonære politikere fra mange partier la til rette for i årene umiddelbart etter 1969. Basert på kompetanse vi hadde innenfor bergverksdrift, geologi og maritim sektor kunne vi gjennom forskning, en aktiv industri og teknologiutvikling bygge opp en petroleumskompetanse som gjorde at vi kunne utvikle oljeressurser som tidligere hadde vært utilgjengelig på grunn av for mye trykk, for høy temperatur, for dypt vann eller med en reservoarkvalitet som gjorde utvinning av olje og gass vanskelig. Ekofisk er i seg selv et skinnende eksempel på denne utviklingen. Da produksjonen startet i 1971, regnet man med at feltet ville produsere 20 pst. av hydrokarbonene som lå i feltet, og at feltet måtte stenge rundt 1990. I dag, 40 år senere, er feltet fortsatt i produksjon, og man regner med å utvinne 60 pst. av reservoaret, altså tre ganger så mye som teknologien i 1971 ga rom for – kanskje blir det enda mer. Årsaken til denne rivende teknologiske utviklingen som har skapt grunnlaget for mesteparten av det norske petroleumseventyret, er at flertallet i denne salen, også i Arbeiderpartiet, på 1970-tallet hadde i framtiden. I skolen ble det satset på språk og ikke minst realfagene fikk et løft. På høyskoler og universiteter ble teknologiutdanning gitt de vilkår som skulle til for å utdanne de ingeniører, geologer og kjemikere man behøvde for å realisere verdiene i Nordsjøen, og senere i Norskehavet og Barentshavet. Samtidig ble tekniske forskningsinstitutter bygget opp og gitt finansielle muskler på relativt kort tid, for å levere forskningsresultater som kunne hevde seg bra i en er det jo egentlig bare trist i dag å debattere det visjonsløse budsjettet som Stoltenberg-regjeringen har lagt fram. Begrepet «stø kurs» har jo fått nytt innhold. Mens et fartøy er på vei til å gå på grunn, hjelper det veldig lite å ha stø kurs. Situasjonen i dag er at én av fem som fullfører ti år i den rød-grønne fellesskolen, ikke kan lese godt nok til å tilegne seg innholdet i en avisartikkel eller en skolebok. Situasjonen er den at matematikkunnskapene hos norske elever ligger flere år bak elever i mange andre OECD-land – og langt under snittet. Situasjonen er at nesten halvparten av de som starter på ingeniørutdanning ikke fullfører, og at det i sum utdannes for få teknologer. Det burde være til alles glede at våre eldre lever lenger enn tidligere. Det gjør imidlertid at flere trenger mer helse- og omsorgstjenester. Samtidig skal regjeringen gjennomføre en samhandlingsreform som vil medføre et stort, nytt kompetansebehov. Uansett hvem som har flertall i denne sal, må det der ute der de de er i veldig liten grad til stede i denne sal – finnes kompetente hender til å levere og utvikle de tjenestene som de eldre trenger. Når det gjelder

Det er trist. De store konsekvensene kommer først i 2012, når avkastningen av dagens forskningsfond kommer til å bli dramatisk redusert på grunn av at de rentebærende papirer fra Forskningsfondet kommer til å få signifikant dårligere rente i 2011. Jeg kan vanskelig se for meg hvordan man bedre kan utnytte landets store petroleumsinntekter nettopp til å underbygge langsiktige hensyn, enn å investere mere midler i kunnskap og forskning.

Vi får servert bilder og historier som med all tydelighet viser at rettigheter som har vært bygd opp gjennom mange år, tar det svært kort tid, faktisk bare med et enkelt politisk vedtak, å bygge ned. Reaksjonene fra mange er harde og til dels voldsomme, enten det gjelder økte studieavgifter for studenter eller lavere lønn for offentlig ansatte – forståelig nok. I sum viser dette likevel hvor viktig det er å ha orden i økonomien, og det har vi. Så vil noen hevde at så lenge oljepengene renner inn i statskassen i Norge, skal det mye til for å ha uorden i budsjettet. Bare det var så enkelt! For bare noen måneder siden var det flere som skrek over seg om faren for «hollandsk syke» – at det ble brukt for mye oljepenger, og at vi dermed tæret på oppsparte midler. Nei, vår oljepengebruk står i sterk kontrast til de fleste andre land som har vært så heldige at naturresursene har gitt store inntekter. Vi sørger for at hele befolkningen får gleden av inntektene naturressursene gir oss – altså en god fordelingspolitikk. Vi må likevel erkjenne at utgangspunktet vårt er helt annerledes når vi skal lage et budsjett for 2011, enn for de aller fleste andre land i Europa. Vi er heldige. Budsjettet for neste år er nok en byggestein i velferdsstaten. Vi ønsker å bygge ut den norske velferdsstaten for det er mangler og skjevheter som skal rettes opp, som f.eks. frafallet i den videregående skolen. Det er for høyt – det kan vi slå fast. Nå er ikke dette et særnorsk fenomen, men like fullt er det for høyt. Det dramatiske med dette er selvsagt at de som ikke fullfører videregående skole, får det vanskeligere senere i livet, både med å komme ut i ordinært arbeidsliv, et arbeidsliv som i stadig større utstrekning krever høy kompetanse, og også ved at sannsynligheten for å bli arbeidsufør er mye større hvis du ikke får en god grunnutdanning. Jeg er glad for den fokuseringen som er på frafall i den videregående skole. Jeg er glad for at dette har et nasjonalt fokus. Samtidig er det viktig å presisere at hovedansvaret for et godt skolemiljø ligger hos eieren. Dette gjelder både det faglige blant lærere og at det er god trivsel blant elevene, for å nevne noe. Derfor er jeg glad for at vi ikke skal legge ned eieren, fylkeskommunen. Jeg forstår rett og slett ikke at vi kan få en god skole der frafallet skal avta, samtidig som en kutter en halv milliard kr til eieren – særlig ikke når den aller største oppgaven til fylkeskommunen er drift av videregående skole. Det er nettopp dette Høyre og Fremskrittspartiet gjør i sine budsjettforslag. Jeg forstår det ikke. Vi er snart 5 millioner innbyggere i dette landet. Vi ønsker at det skal bo folk i hele landet og prøver å legge forholdene til rette for dette. Derfor er distriktspolitikken viktig. Dette går også sterkt fram av Soria Moria-erklæringen. Et viktig element i dette er regional utvikling. Jeg tror at det er de som har skoen på, som vet best hvor den trykker. I dette ligger det at det er fylkeskommunen som kjenner sitt område eller sin region best og dermed vet best hvilke tiltak eller prosjekt som vil bidra til regional utvikling. Men det betinger selvsagt at det er økonomiske muskler til dette. Vel, i og med at vi ikke kutter 1,5 mrd. kr til regionale utviklingsfond, slik Høyre gjør, er det heldigvis slike midler også til rådighet i 2011. Det har gjennom tidene vist seg at når det etableres gode forhold mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, får samfunnet igjen for det gjennom en stabil og forutsigbar utvikling. Dette får vi til gjennom stor tillit til hovedsammenslutningene. Fradragsretten for fagforeningskontingenten er selvsagt viktig for høy deltakelse i fagforeninger, noe som de aller fleste partier er tilhenger av. Jeg er overbevist om at denne biten i samfunnsmodellen vår bidrar i vesentlig grad til en stabil og mer rettferdig utvikling som gir plass til langt flere i arbeidslivet, og som sikrer at arbeidslivet fungerer etter de normer og regler som partene og myndighetene sammen utformer. Men da fatter jeg ikke hvorfor Høyre svekker denne fradragsretten så dramatisk, og at Fremskrittspartiet fjerner den. Hvis Høyre på den ene siden sier at de er for høy andel fagorganiserte i arbeidslivet, og samtidig svekker fradraget, gir ikke dette noen mening. Dette er den eneste plassen Høyre kommer med en skatteskjerpelse, altså til de fagorganiserte. For et

når det gjelder deres muligheter til å påvirke og gjøre sine vurderinger av det. Etter å ha hørt på budsjettdebatten i dag er den like forutsigbar som den ellers har vært: det er to klare leirer som påpeker hvor ille det blir når den andre driver butikken. Samtidig er det vel et faktum at det går bra. Det kunne gått enda bedre, vil noen si, men alt i alt har vi et fortrinn som mange andre vil misunne oss. Det hadde også vært fristende og sagt, etter å ha hørt på debatten i dag, så langt man makter og litt til, at man ikke er kommet lenger i å løse de problemene man har. Det er ikke noe nytt at vi sliter med at elever Det er ikke noe nytt at vi ikke får de karakterene vi ønsker å få i grunnskolen, hos grunnskoleelevene. Det er ikke noe nytt at vi ikke har en eldreomsorg som det skinner av. Det er ikke noe nytt at kommunene sliter med vedlikehold det være seg på vei eller på bygningsmassen sin. Det er ikke noen nyheter i dette. Men hvert år har vi altså et flertall – nå har vi hatt det siden de rød-grønne vant valget – som forteller hvor bra alt er. Hvorfor har ikke problemene blitt mindre? Det Hvorfor har ikke problemene blitt mindre? Det overrasker meg. Og jeg må si at det er ganske sjelden man møter en lokalpolitiker som sier halleluja, budsjettet er lagt på bordet. Det har jeg til gode å høre. Jeg har hørt at folk har lagt det på bordet, men uten hallelujaet, selvfølgelig. Det er også sånn at ordførere fra de rød-grønne partiene ser store utfordringer ved å gjennomføre det de ønsker å gjøre, selv om det er den rød-grønne regjeringen – deres egne – som legger fram budsjettet. budsjettet. Da er det i hvert fall opp til flere muligheter når det gjelder å analysere hvorfor det er såpass vanskelig. Kan det være fordi politikken som flertallet i denne salen står for, ikke er god nok? Har vi for dårlige lokalpolitikere? Det ville selvfølgelig være det enkleste å si, men sannsynligvis også veldig dårlig gjort overfor dem. For det er vel et faktum at én av grunnene til at man sliter med rekruttering til lokalpolitikken, er at man føler at det er vanskelig. Å fordele armod har aldri vært noen særlig suksessfaktor. Derfor tror jeg mange kvier seg for det, for man ser at dette stopper ikke. Det blir ikke noe bedre, man ser ikke noen særlig lysning i det. Det synes jeg er trist og leit, for vi er helt avhengig av å ha oppegående, flinke folk i kommunene våre til å gjøre jobben der. La meg også si et par ting om par ting om noe vi ikke har snakket så mye om, nemlig Forsvaret og de vi har i Afghanistan, samtidig som vi står her og diskuterer budsjettet for neste år. En liten del av det, ca. 1,2 mrd. kr, er satt av til å bruke i Afghanistan. Hva kostnadene vil bli, må vi komme tilbake til hvis det blir et revidert, kanskje. Men det er ikke tvil om at vi altså har noen som er en del av samfunnet vårt, som tar en mye større daglig belastning enn det vi på Stortinget gjør, enn det de fleste av oss gjør. Jeg synes det er på sin plass å gi dem en honnør og sørge for at vi har et nødvendig fokus på de oppgavene de er satt til å løse, situasjoner de ikke nødvendigvis velger seg inn i, men som de er nødt til å gjøre det beste ut av. Da synes jeg det er rart at vi ikke er enda flinkere til å gi dem det beste utstyret som er å framskaffe. Vi har, etter mitt skjønn, som kanskje ett av ekstremt få land, råd til å gjøre nettopp det, til å gi de av våre som skal stå der det er skumlest og aller mest risikofylt, det beste utstyret, slik at de kan gjøre jobben på en mest mulig forsvarlig måte. Vi gjør ikke det. Vi har en krangel om investeringer i kjøretøy. Vi har en krangel om våpentyper. Vi har en krangel om ressursene som er tilgjengelig, f.eks. på evakueringssiden, på helikoptersiden, og hva vi greier å få til der. Det er altså en del av det sikkerhetsnettet Stortinget gir sine styrker i utenlandsoperasjoner. Det er mulig at de rød-grønne er stolte av det, synes det er bra. Fra Fremskrittspartiets side synes vi det er altfor dårlig, og vi har mange ting som vi burde ha gjort bedre. En annen ting som kommer opp før jul, er avtalen om delelinjen. Norge får altså et vesentlig større havområde. Jeg har problemer med å se at man har tatt høyde for det i budsjettet når det gjelder tilstedeværelse av kystvakt. Jeg regner med at fregattene våre skal ligge til kai i Bergen mer eller mindre hele neste år Kanskje vi skulle installere noen blomsterkasser, så det pynter enda mer opp. Det er noe med at når man gjør store investeringer, bør man jo samtidig sørge for at man nyttiggjør seg investeringene. Hvis ikke, er det sånn at vi etter mitt skjønn holder skattebetalerne for narr. Det bør vi ikke gjøre. Vi bør faktisk ha større respekt enn som så. Presidenten er nok av den oppfatning at det helt sikkert vil komme et revidert budsjett til neste år,

først buss frå Ås til Ski, og så tok ho toget til Oslo S. Så gjekk ho og hunden til Aker Brygge, og så tok dei ferja ut til Nesodden. Dette synest eg eigentleg er ei fin historie som viser at det i alle fall skjer mykje godt i velferda i landet også. FN har igjen kåra Noreg til verdas beste land å bu i. Helse og utdanning og små forskjellar i inntekt er ting som trekkjer oss opp.

sin. Så må me ta omsyn til konkurranseutsett industri. Difor kan me ikkje bruka for mykje oljepengar, for det kan føra til høgare renter, som igjen fører til sterkare kronekurs, og som igjen vil ramma det konkurranseutsette næringslivet. Her i landet kan me vera fornøgde med at me har gått igjennom finanskrisa med den lågaste arbeidsløysa i Europa. Me ser no at situasjonen er litt betre i nokre land i Europa, men skjør. Noreg har ein liten og open økonomi. 80 pst. av det me eksporterer, går faktisk til Europa. Difor vert me òg veldig påverka når det går dårleg i Europa. Denne veka har me høyrt om Irland. Dei må redusera budsjetta sine, dei må auka skattane, og dei er avhengige av hjelp frå EU. Folk i Irland, som folk mange andre plassar i Europa, må betala dyrt for at økonomien kom ut av kurs. Her i Noreg Noreg har me hatt moglegheita til å bruka mange pengar i dårlege tider. Men da må me òg bruka mindre i gode tider. Me må ha orden i økonomien. Det er det som er grunnlaget for å lukkast med arbeid, produksjon og velferd. Difor er eg glad for at regjeringa sørgjer for eit budsjett som reduserer avstanden til 4 pst.-bana, og at ein allereie i 2010 kan vera tilbake på pst.-bana. Det trudde eg at Høgre òg var interessert i. Dei har jo sagt at dei skal vera ein garantist for orden i økonomien. Men seinast i Dagbladet i dag las eg at leiaren i Høgre sa: «Vi sier ja til regjering med Frp.» I VG sa finanspolitisk talsmann i Framstegspartiet og i Høgre at dei hadde like hovudprioriteringar i budsjettet. Men Framstegspartiet seier i sine merknader: «Disse medlemmer forholder seg ikke til handlingsregelen » Med to jamstore parti er eg litt uviss på garantien frå Høgre om orden i økonomien. For Arbeidarpartiet er det å ha orden i økonomien det viktigaste for landet. Da kan me skapa framtidas arbeidsplassar. Da kan me vareta det konkurranseutsette næringslivet, og me kan sørgja for at velferda er berekraftig, slik at framtidige generasjonar òg får nyta godt av formuen vår. Eg har lyst til å nemna eit par prioriteringar. Eldrepakken har me snakka om mange gonger i dag. Eg synest likevel det er viktig å nemna auka tilskot til bygging av sjukeheimsplassar, med verdigheitsgaranti og med ein ekstra milliard til kommunane. I tillegg har me ein verdigheitpakke på 53 mill. kr, som skal styrkja det gode samarbeidet med frivillige

og stramme innsparingstiltak, som førte til dramatiske protester med tragisk utfall i Aten. I London foreslår David Cameron å kutte ca. en fjerdedel av britiske budsjetter, bortsett fra innen helse og bistand. I går ettermiddag la den irske regjeringen fram en spareplan som kan få EU og IMF med på en redningspakke også for dem. Portugal, Italia og Spania trues alle av høy statsgjeld. Dette er virkeligheten – utenfor Norge. Her får kommunene en såkalt eldremilliard på 2010-budsjettet – fordi skatteinntektene blir større enn man trodde. Den sterke norske økonomien skyldes selvsagt vår unike tilgang på naturressurser, men også god politisk styring. I 2011-budsjettet tas det ansvar for å stramme inn og tilpasse oss en normalsituasjon etter den ekspansive finanspolitikken under I dag vedtar vi et anstendig budsjett, med gode tiltak for klima, helse og omsorg. Klimaforliket følges opp med tiltak mot avskoging. Sykehusene gis mulighet til å øke pasientbehandlingen, det gis lån til bygg ved sykehusene i Østfold, Bergen og Stavanger, og det kommer nye pilotprosjekter for kreftscreening. Kommunene rustes opp økonomisk og kan bygge ut eldreomsorgen. Framover er full sykehjemsdekning en spesielt viktig oppgave. Vi må få på plass 12 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger og 12 000 nye årsverk i pleie og omsorg. Alle med behov for det må ha rett til sykehjemsplass. Sammen med Samhandlingsreformen for helsevesenet, som følges opp gjennom tilskudd til bl.a. lokalmedisinske sentre, og, etter hvert, ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov er dette en ny giv på helse- og omsorgsområdet i tiden framover. Jeg leste reaksjoner fra opposisjonen i Bergens Tidende dagen etter at budsjettet ble lagt fram,

Norge brukte mindre penger på å vaksinere verdens barn enn hva vi gjør i dag, det var mindre vekst til sykehus og kommuner enn hva det er nå, og det siste året med borgerlig regjering fikk vi nedgang i tallet på årsverk i pleie og omsorg. Hvem kan se seg over skulderen og oppriktig ønske seg dette tilbake? Eller, rettere sagt: Hvem kan oppriktig ønske seg et enda blåere alternativ, med enda mer av det samme? Jeg er glad for at regjeringen og Kristelig Folkeparti er enige om mye i den økonomiske politikken. Fremskrittspartiets og Høyres alternative budsjetter får derimot fram skillet mellom flertallet og det blå-blå alternativet, der skattekutt er førsteprioritet, og der det sosioøkonomiske fokuset vendes bort fra vanlige folk med vanlige jobber til høytlønte med mindre vanlige jobber. Høyre oppfordrer til å «skape mer, ikke Det er klart at skattekutt kan ha dynamiske effekter. Men ideene om at skattekutt gir mer tilbake til offentlige budsjetter enn kuttet koster i seg selv, er omtrent hva Bush senior for 30 år siden kalte for voodooøkonomi, mens Bill Clinton fastslo at «tilbudssideøkonomi fornekter matematikken». Hva man tjener, er ikke bare et produkt av egen innsats, men også av de medfødte mulighetene konteksten gir. På samme måte som vi som fødes i et land med voldsomme naturressurser, har et ansvar for å bidra globalt for dem som er født mindre heldige enn oss, kan progressive skattesystemer fordele mulighetene mer rettferdig her hjemme. Norge har klart å kombinere økonomisk vekst med mer rettferdig fordeling enn de fleste andre land i verden. Det er viktig, fordi mindre forskjeller kan skape større etterspørsel og gi vekst i økonomien, og fordi små forskjeller skaper tillit og stabilitet, men, mest av alt, med en lett omskriving av Clintons ord, fordi Norge simpelthen fungerer bedre når flere mennesker har en sjanse til å leve sine drømmer. I dag er

Salige er våre barn og barnebarn, for dei skal arve vår gjeld. Og så kan eg leggje til, arve våre byrder, dersom me ikkje ser inn i framtida og slår ring om våre gode fellesskapsløysingar. Me må gjere dette arbeidet. Framtida strekkjer seg lenger enn til og med året 2011. Gode fellesskapsløysingar er avgjerande viktige for å etablere eit

Ofte blir resultatet at desse flotte menneska hamnar på andre budsjettpostar: sjukeløn eller uføretrygd. Det er arbeid og verdiskaping me lever av, og dess fleire som er i arbeid, dess lettare blir det å betale framtida sine rekningar. Arbeidskrafta er vår viktigaste ressurs. Det er både usosialt og for å få folk ut av arbeidsløysekøen og over i arbeid. Det er viktig å velje det som er viktigast. Me har kunnskap om andre land og andre demokratiske system som historisk har meint at meir konkurranse er sunt, og at private løysingar gjev meir for pengane. Det har i mange tilfelle gått gale med desse og det er ingen grunn for oss til å gjere dei same feila. Me må slå ring om våre fellesskapsløysingar og den norske modellen. Særinteresser, som mindre skattar og lågare avgifter, er øydeleggjande for det økonomiske opplegget som er skapt. Me kan ikkje no svikte våre barn og barnebarn. Tryggleik og velferd heng nøye saman. Trygge menneske er lykkelege Fellesskapsløysingar, arbeid og rettferdig fordeling er stikkord for å redusere kriminaliteten og auke tryggleiken. Derfor er det så avgjerande viktig å fokusere på det førebyggjande arbeidet. Og eg er stolt av den innsatsen dagens regjering har ytt på dette området. Me har teke mange steg mot eit tryggare samfunn. Regjeringa har satsa kraftfullt på politiet, på domstolane og på kriminalomsorga dei siste fem åra, og no ser me mange positive resultat av ein aktiv, heilskapleg justispolitikk, med meir politikraft, færre lovbrot, fleire fengselsplassar, kortare soningskøar og eit meir effektivt domstolsapparat. I tillegg er regjeringa veldig aktiv på den internasjonale arenaen for å Førebygging av kriminalitet er viktig. Førebygging kan spare mange for store smerter og store tap. Her er politiet, i samvirke med andre offentlege og private aktørar, viktige brikker. Derfor må det vere eit klart mål å få mest mogleg politikraft ut av dei midlane som blir

løyvde. Dette er en debatt om statsbudsjettet, men jeg har lyst til å starte innlegget mitt et litt annet sted. Jeg bor i og representerer Oslo – Oslo øst, for å være helt nøyaktig. Der lever vi kortere, vi har lavere inntekt, og vi bor dårligere enn folk vest i byen. Vi har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer og andre kroniske sykdommer, vi spiser dårligere og beveger oss mindre og med en høyere risiko for ulykker enn folk vest i byen. Kort sagt kommer vi egentlig dårligere ut på alle indikatorer det er mulig å bruke for å måle levestandard. I skolen ser vi en segregeringstendens. Oslo er i ferd med å få en delt skolestruktur. Seks skoler i Oslo har over 90 pst. minoritetsspråklige elever. På noen skoler startet det i høst ikke en eneste elev med etnisk norsk bakgrunn. Det trenger ikke være et problem i seg selv, men mange barn på samme sted som ikke har gode nok norskkunnskaper, er et problem. Det nytter ikke å late som noe annet. Oslo øst har en overrepresentasjon av rusinstitusjoner og sosiale institusjoner. Vi har en overvekt av kommunale boliger, hvor man til alt overmål må betale markedsleie for å bo, slik at folk blir tvunget til å bli De siste dagene har VG skrevet om et borettslag i Sinsenveien, et sted som omtales som Norges nye slum, hvor de kommunale leilighetene ligger tett, og hvor 240 av 450 beboere mottar sosialstøtte. Sinsenveien er ikke et unikt tilfelle på Oslos østkant. Det er et sted hvor Oslo kommune har solgt leiligheter som de leier tilbake i stor skala som kommunale leiligheter, konsentrert på ett sted. Og byrådets svar når de konfronteres med det, er at dette er «privat eiendom», og at «det er eier som har ansvar for å holde boligene ved like». I Gamle Oslo lever hvert tredje barn under fattigdomsgrensen. I min bydel, Grünerløkka, gjelder det én av fire. Hvert fjerde barn i mitt nabolag lever under fattigdomsgrensen. Jeg erkjenner at utfordringene er store, og at stat og kommune har et felles ansvar. Men det virkelig bekymringsfulle her her er at Oslo har en sosialbyråd fra Høyre, Anniken Hauglie, som ikke vil innrømme at Oslo er en delt by. Hun har sagt rett ut at for Byrådet i Oslo er det ikke noe mål å utjevne sosiale forskjeller. Det sier hun, som er sosialbyråd i en by hvor en T-banetur på et kvarter innebærer en forskjell i forventet levealder på tolv år. Og hun er sosialbyråd for Høyre, partiet som nå har adoptert sine svenske kollegers retorikk og begynt å snakke om utenforskapet.

Høyre vil gjeninnføre den gamle privatskoleloven. Det betyr kommersialisering av den norske skolen, og budsjettet deres legger opp til en kommersialisering i helsesektoren. Skattekutt og privatisering gir dårligere og mindre effektive velferdstilbud. En svekkelse av offentlig sektor betyr privatisering, det betyr mer egenbetaling og større forskjeller. Vi vet at det skaper forskjeller. Også Høyre vet det, men de er vel ikke opptatt av det. Og så er det ganske paradoksalt at de som står mest utenfor, de som Høyre snakker om når de bruker ordet utenforskap, de som står utenfor arbeid, er de eneste som ikke får noen som helst gevinst ut av Høyres mest markante budsjettsatsing, nemlig skattelettelser. Det er vanskelig å snakke om utenforskap med troverdighet når man står for en sånn politikk. Man kan ikke med troverdighet snakke om dem som faller utenfor, når man ikke vil gjøre noe med de sosiale forskjellene i Oslo – og jeg antar at den holdningen kan overføres til å gjelde landet som helhet. Høyre framstår som et parti som ikke skjønner sosioøkonomiske strukturer, som ikke skjønner betydningen av at hvor i en by eller i et land du er født og vokser opp, hva foreldrene dine gjør, hvilke holdninger de har, former deg og legger tunge føringer for hvordan du selv får det. Menn på østkanten i Oslo lever tolv år kortere enn menn på vestkanten. Det virker som om Høyre ikke skjønner at det handler om hvor belastende jobb man har, hvor mye støy og svevestøv man utsettes for, hva slags naboer man har. Det handler ikke om at folk på vestkanten er flinkere til å spise frukt og grønt og går på tur oftere enn folk på østkanten, for det kan man nemlig få inntrykk av når man hører f.eks. Erik Lundesgaard fra Høyre snakke om dette. Vi prioriterer annerledes. Vi prioriterer inkluderende arbeidsliv fordi vi vet at det er nøkkelen til at folk skal klare seg bra. Høyre styrer i Oslo. Vi ser hvordan forskjeller i folks muligheter til å leve gode liv får vokse og bli større, og at Høyre sier det er helt greit.

Det besynderlige med innlegget var at det var skrevet av en stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og en fylkesordfører fra Arbeiderpartiet – et parti som altså har styrt landet i fem og et halvt år og har hatt all mulighet til å fikse kraftkrisen. Men fem og et halvt år senere er det fortsatt noe en må skrive kronikk om for at man skal gjøre noe med det. I dagens debatt utfordrer jeg Senterpartiet, som sitter med olje- og energiministeren, til å si hvilke tiltak de kan komme med som vil bøte på situasjonen, og ikke minst hjelpe dem som økonomisk blir

Olje- og energiministeren har vært i Bergen i dag. Han hadde med seg to løsninger på kraftsituasjonen: en kraftlinje, som fortsatt ligger flere år fram i tid, men som regjeringen så langt har brukt fem år på, og utkobling av kraft. Det er egentlig en ganske puslete tilnærming i en energinasjon som Norge. Regjeringen har mer verktøy i verktøykassen, hvis de vil bruke det, hvis de tør å utfordre seg Arbeiderpartiets tidligere næringsminister kalte verktøykassen for et smykkeskrin. Jeg synes ikke dagens energipolitikk er mye å pynte seg med. La meg nevne noen tiltak som en kunne tatt inn over seg, f.eks. gass. Bruk mer gass i landet. Vi har brukt 2,5 mrd. kr på mobile gasskraftverk. Det har altså vært regjeringens eget prefererte tiltak, om de mobile gasskraftverkene skal tas i bruk for å rasjonere på vann. En har flere aktører som ønsker å bygge gasskraftverk i fullskala: BKK i Hordaland, Industrikraft Møre i Møre og Romsdal, Hammerfest Energi i Finnmark. La dem få lov, gjerne med statlig engasjement på CO2-rensing som på Mongstad, men la dem få sjansen. La oss se på hvilket potensial vi har når det gjelder vann. La oss diskutere om igjen vern av Vefsna. La oss se på småkraftsatsingen for å få vekk fem års saksbehandlingskø, og la oss se om ikke tiden er moden for å evaluere vernede vassdrag for å kunne utnytte energiressursene og samtidig ivareta verneverdiene som lå til grunn for vernet i sin tid. La oss ta en kikk på Enova og la dem få lov til å gjøre en regional innsats der det trengs, og ikke bare ha generelle virkemidler. Og ikke minst, Enova har mye kapital, men de har altså ikke lov til å bruke kapitalen der det får god virkning nå. Husholdningsstøtten – pengene til akkurat den posten i støtteordningen har de ikke lov til å overføre internt. Det må vi kunne myke opp i. En burde kunne si at elavgiften skal reduseres når strømprisen blir ekstremt høy over tid. Vi vet at forbruk av strøm er nærmest uavhengig av pris. Hvis en i etterkant sier at elavgiften refunderes fordi strømprisene har vært over et visst nivå,

Vi er altså vitne til en tafatt energipolitikk, der en skryter av hvor mye penger Enova har fått tildelt, men veldig lite av hva Enova får utrettet – og det er jo det som gjelder. Det samme ser vi i petroleumspolitikken. Åm-utvalget skisserte en mulig brutto ekstrainntekt på 7 000 mrd. kr – enorme verdier – ved at vi får utnytte energiressursene som ligger i Nordsjøen. Regjeringen svarer på det med å kutte i Regjeringen sier at Jan Mayen er det mest interessante området vi akkurat nå jobber med, med størst dynamikk. Jeg har til gode å treffe en oljemann som synes at Jan Mayen er interessant å reise til, knapt på ferie – enda mindre sende et boreskip i den retningen. Lofoten må derfor avklares. Barentshavet øst må avklares. SV sa i trontaledebatten at Barentshavet øst er «langt fram». Jeg håper at arbeiderpartifolkene i denne salen er av en annen oppfatning. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

men i år går det langt over hva som egentlig er anstendig. Regnestykkene til dette partiet henger ikke lenger på greip – overhodet! Partiet løser dette ved å se bort fra Finansdepartementets beregninger og lager sine egne regnestykker. Får de ikke de svarene de vil ha, setter de opp sine egne beregninger for å få det til å gå i hop. Det fører ikke til noe godt. Regningen kommer til slutt. Hva vil konsekvensene bli av en slik politikk – hvis alle skulle holde på på den måten, uten forankring i virkeligheten? Da ville statsfinansene komme ut av styring og kontroll, og folk ville selvfølgelig merke det til de grader. Folk må kunne stole på at de politiske beslutningstakerne opptrer på en ryddig, ordentlig og forsvarlig måte når de er blitt bedt om å styre våre statsfinanser. Den tryggheten er ikke til stede med Fremskrittspartiets politikk. Fremskrittspartiets politikk er et steg mot et utrygt samfunn. La oss se: Flere av Fremskrittspartiets inndekningsforslag er ikke realistiske og bryter annet har de lagt til grunn en betydelig reduksjon i utgiftene til uførestønader, sykepenger og dagpenger, uten at det fremgår hvilke innstramminger som skal gjennomføres. Det er klart at den enkelte arbeidsledige vil spørre seg: Hva mener Fremskrittspartiet om den trygden som jeg skal få per dag, per uke? Nei, det vet de ikke – det er bare et cirkatall. Den uføretrygdede vil si: Hva blir min utbetaling i denne måneden? Nei, det er bare et cirkatall, fordi vi bare har Dette er uforsvarlig og useriøst! At landets nest største parti opptrer på denne måten, er historisk i norsk politikk. Det er en fornærmelse mot Stortingets arbeid, men ikke minst overfor det norske folk – alle velgere uansett partifarge. De fører velgerne bak lyset med en slik uansvarlig opptreden.

Likevel er det svært mange i vårt samfunn som føler seg utrygge i sin hverdag, og det er jo et paradoks i det landet i verden som skulle kunne sørge for at innbyggerne har den trygghet som de har krav på. Fremskrittspartiet har i en årrekke hatt et betydelig press på den sittende regjeringen for å øke justisbudsjettene slik at folk kan få en økt trygghet i hverdagen. Jeg skal være ærlig og innrømme at regjeringen delvis har fulgt opp dette. Det har blitt tilført midler til justissektoren i de senere år, men beklageligvis er ikke dette nok. Når justiskomiteen er ute og reiser og besøker politidistriktene, f.eks., får vi høre at det ikke blir kompensert fullt ut for lønns- og prisvekst. Heller ikke nye stillinger blir fullt ut kompensert. I justissektoren har vi derfor fortsatt behov for betydelig tilførsel av midler. Det viser Fremskrittspartiets alternative budsjett, med over 700 mill. kr ekstra til justisetaten – over 500 mill. kr ekstra bare riktig bruk av eksisterende midler er noe som krever betydelig fokus og satsing fremover, for når vi som storting tilfører en slik etat betydelig mer midler,

om det var slik at nyutdannet politi i Danmark ikke fikk jobb. De forsto ikke problemstillingen. Derfor har jeg, etter et år i justiskomiteen, blitt overrasket over hvordan denne sektoren fungerer. Men det er klart at det er i denne salen problemet ligger og ikke ute i etaten. Statsbudsjettet skal legge til rette for folks trygghet og velferd, og det skal legge til rette for nasjonens utvikling. Derfor er

Der framgår det nemlig at regjeringen vil sikre gjenværende såkalte inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad. Hva har så dette med finansdebatten å gjøre? Jo, det berører hvordan vi kan utnytte våre naturressurser. Slik «inngrepsfrie naturområder» nå er definert, utgjør de nemlig 45 pst. av landets areal. Og ikke nok med det: Ut fra definisjonen må man også ta hensyn til en randsone på 1 km rundt de inngrepsfrie naturområdene. Da er 70 pst. av landarealet berørt – med begrensninger for berørte grunneiere, næringsdrivende og kommuner, uten at det gis erstatning eller kompensasjon til dem som berøres. Muligheten til å forvalte naturressursene er en bærebjelke for utvikling og aktivitet i men under denne regjeringen opplever vi en massiv overføring av makt over arealene til statlig byråkrati. Dette skjer på bekostning av den private eiendomsretten og det lokale selvstyret. Tidligere i år tok Høyre opp det lovmessige grunnlaget for å legge restriksjoner på så mye som 70 pst. av landarealet. Svaret vi fikk fra miljøvernministeren, var en henvisning til fire ulike lover. Men ikke en eneste av disse lovene omtaler begrepet «inngrepsfrie naturområder». Spørsmålet må likevel ha gjort et visst inntrykk på statsråden, for i den nevnte budsjettproposisjonen fra hans departement, henvises det nå til hele 16 lover som hjemler de inngrepsfrie naturområdene. Men heller ikke i en eneste av disse lovene omtales dette begrepet. Et slikt kraftig angrep på eiendomsretten og det lokale selvstyret har altså ikke blitt vedtatt gjennom Dette er i seg selv alvorlig, og det kommer vi tilbake til under en senere behandling av et representantforslag fra Høyre. Men det har altså også en annen side, nemlig at det hemmer muligheten til en fornuftig bruk av våre naturressurser – bruk som er i tråd med lokale tradisjoner, og som på en balansert måte kombinerer bruk og naturvern. Derfor vil Høyre at begrepet «inngrepsfrie naturområder» ikke lenger skal tillegges vekt ved behandling av arealsaker. Vi vil gi grunneierne frihet under ansvar til å forvalte sin eiendom, og vi har tillit til lokaldemokratiets gode evne til å balansere ulike samfunnshensyn i sin kommune. Men dessverre snur den rød-grønne regjeringen ryggen til både grunneiere og kommuner. På årets statsbudsjett er

så Høyre i tillegg foreslår å kutte 200 mill. kr frå den nasjonale satsingen på innovasjon, redusere overføringene til landbruket med 1,7 mrd. kr, halvere distriktsstøtten til Posten, framstår høyrepartienes alternative statsbudsjett som totalt blottet for regional- og distriktsprofil – direkte distriktsfiendtlig. For Nord-Norges del vil Høyre øremerke 200 mill. kr til utvikling av petroleumskompetanse i leverandørindustrien. Alt skal styres mot oljesektoren – mot åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Så snur partiene ryggen til det øvrige næringsliv. Gode eksempler på hva disse midlene har bidratt til i Nord-Norge, er RECs industrietablering i Glomfjord og Narvik – 600–700 arbeidsplasser i solindustrien. Utviklingen av Høgskolen i Bodø til Universitetet i Nordland er også et eksempel – en nordnorsk suksesshistorie. Den tunge satsingen som nå gjøres i Nord-Norge på reiseliv, med destinasjonsselskaper i Nordland, Troms og Finnmark og en felles nordnorsk reiselivsmarkedsføring, vil i sin helhet måtte avvikles dersom disse partienes budsjettforslag hadde blitt vedtatt. Legger vi til grunn landsdelenes andel av skatteinngangen, vil 34 pst. av den skattelettelsen som foreslås her, tilfaller Nord-Norge. Jeg vet ikke hvor partienes distriktsrepresentanter har vært når disse forslagene er behandlet. Enten har de ikke skjønt hva de har vært med på, eller så har de sovet svært tungt i timen. Det har ikke vært så mye snakk om likestilling fra Høyre og Fremskrittspartiet i denne debatten. Det er ikke så
reise

uavhengig av kjønn. Sjøl om det ikke er lov til å legge slike hensyn til grunn ved ansettelser, ser man til stadighet at unge, barnløse, samboende kvinner blir nedprioritert fordi arbeidsgiver antar at kvinnen om kort tid vil være lenge borte fra jobb på grunn av familieforøkelse. Dette gjelder særlig i små bedrifter. Tanken på at en mann like gjerne kan være borte like og det er det menn som tjener på – uten at de nødvendigvis ønsker det. Det fortelles om flere arbeidsplasser og miljøer hvor det kulturelt overhodet ikke er lagt til rette for at menn skal få være hjemme for å være far. En anleggsarbeider som jeg har snakket med om dette, beskrev denne kulturen ved å sette den godt over middels på spissen. Han sa: Kollegene mine ville trodd jeg var homo hvis jeg var borte fra jobb i fire måneder for å passe

Likevel har man hørt representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet si at de ønsker å fjerne pappakvoten, på samme måte som de ikke ønsket barnehageutbygging på 1980-tallet, lovbestemt rett til barnehageplass, makspris i barnehager osv. På tross av Høyre og Fremskrittspartiet som sinker har vi kommet ganske langt med likestilling i Norge, men vi vil fortsette til vi er i mål. De mørkeblå synes derimot at vi har kommet langt – altfor langt – faktisk så langt at de vil snu på hælen og gå tilbake igjen. Argumentet de bruker, er at den valgfrie pappakvoten hindrer valgfriheten. Her faller jeg av. Hvordan er det mulig å kalle en ordning som legger til rette for at familier kan ta et reelt valg om hvem som skal Regjeringen ønsker å legge til rette for at lønn og makt skal bli bedre fordelt gjennom å få næringslivet til bedre å se at menn og kvinner kan være like delaktige, både hjemme og på jobb. Jeg håper noen representanter fra Høyre eller Fremskrittspartiet senere i debatten kan svare meg på hvordan de tror at deres forslag om å ha dyrere barnehager og fjerne pappakvoten vil skape et mer likestilt samfunn med større og mer reell valgfrihet i familien.

Ifølgje offentleg statistikk har det aldri skjedd ei så storstilt sentralisering som i dei åra den raud-grøne regjeringa har sete med styringsmakta i dette landet. Senterpartiet har gjennom fleire valkampar brukt mesteparten av tida til å åtvare folk i distrikta mot oss i Framstegspartiet, og kome med skuldingar om at kjem vi til makta, vert det ei rasering av distrikta. Senterpartiet sin distriktspolitikk har vore einsretta for subsidiering av landbruket. den siste tida har det kome fram tal som viser at det vert lagt ned minst eitt gardsbruk kvar einaste dag. Dette må bety at Senterpartiet i regjering har mislykkast totalt, og det viser òg at dei har ført bøndene bak lyset med sine lovnader. Vår landbrukspolitikk er at det berre er større landbrukseiningar som kan sikre landbruket i distriktet. Det er berre Framstegspartiet sin politikk som kan stoppe sentraliseringsbølgja, med vår satsing på infrastrukturbygging og verdiskaping i heile landet. Dette kan sikre og tryggje eksisterande arbeidsplassar, og det vil vere heilt nødvendig dersom målet er å skape nye arbeidsplassar. Regjeringspartia skryter hemningslaust av at det aldri før har vore løyvt så mykje pengar til dei viktige sakene som i den tida den raud-grøne regjeringa har styrt landet. Sanninga er at det i den same tida har vore ein formidabel auke i kostnadene, som faktisk overskrid løyvingane. Resultatet er ikkje vanskeleg å sjå rundt om i kommunane, og vi høyrer no at storparten av kommunane må kutte i tenester til sine innbyggjarar. Framstegspartiet meiner det er eit enormt innsparingspotensial i statleg verksemd, der byråkratiet veks uhemma.

desentralisere beslutningsprosessar og slanke byråkratiet vil det offentlege få økonomisk ryggrad som vil setje våre politikarar i stand til å yte tilfredsstillande tenestetilbod til landets

Vår evne til å tilegne oss kunnskap er helt avgjørende for hvilke dører som senere vil stå åpne for oss, og for vår evne til å kunne bidra til fellesskapet. Høyres politikk for en ny sjanse og muligheter for alle bygger på et skolesystem som løfter kunnskap og kompetanse hos enkeltindividet, og er en politikk for sosial mobilitet. Derfor har Høyre i sitt alternative budsjett lagt inn en betydelig satsing på utdanning og forskning. Høyre satser i alle ledd, fra 1. klasse til studenter og forskere. Årets elevundersøkelse viser at én av fire norske femteklassinger ikke får nok utfordringer i skolen. Det er en klar beskjed til våre lærere om å høyne ambisjonene på elevenes vegne. Når syv av ti lærere i en undersøkelse gjort av Utdanningsforbundet svarer at de er motivert for etter- og videreutdanning, er det en klar beskjed til regjeringen om å høyne ambisjonene på lærernes vegne. Statsministerens mantra i siste nyttårstale var at kunnskap trumfer alt. Hvis Jens Stoltenberg mente det han sa, er det underlig at utdanning ikke kom ut som vinner i dette statsbudsjettet.

Det er uforståelig at det skal ta halvannet år å samle partene i arbeidslivet for å mobilisere flere lærebedrifter, og det er uforklarlig treghet eller motstand mot tilbud som skal bidra til at flere elever motiveres til å fullføre videregående opplæring. Rød-grønne skoleprioriteringer kommer i et merkelig lys når det blir viktigere å lovfeste frukt og grønt og lovfeste leksehjelp med ufaglærte hjelpere, enn det er å ta et virkelig løft for at landets lærere skal kunne møte sine elever med enda bedre faglig ballast. Høyre har svært tydelige skoleprioriteringer. Vi vil bruke de store pengene i skolen på flere timer og til å sikre oss motiverte og kompetente lærere. Det er ikke en politikk for privatisering og kommersialisering av skolen, slik flere rød-grønne politikere har hevdet her i dag. Tvert imot er Høyres politikk og budsjett en solid satsing på norsk offentlig grunnskole. Eg må seie at eg har blitt litt overraska over retorikken til opposisjonen i dag. På den eine sida skuldar dei posisjonen for å drive svartmåling av verste slag når vi peikar på kva deira alternative budsjett vil føre til, men på den andre sida unnser dei seg ikkje for å drive grov svartmåling av det landet som kjem så høgt opp på alle FN-statistikkar. Så kritikk av opposisjonen er svartmåling, og svartmåling av posisjonen er heilt naturleg. Eg har litt problem med å sjå den logikken og retorikken som opposisjonen har prøvt å føre i dag, men eg skal over til det som er mitt tema i dag, og det er næringspolitikk. Det eg vil ta utgangspunkt i, er at kunnskap er ein utruleg viktig basis for å drive ein god næringspolitikk. Poenget med kunnskap er at vi må kople kunnskapen til bedriftene for at det skal bli god næringspolitikk av det. det. Vi har ein del verkemiddel i Noreg som er nettopp lagde til rette for at vi skal kople kunnskap mot bedrifter. Vi har noko som heiter Norwegian Centres of Expertise, og vi har eit program som heiter Arena. Desse programma fungerer slik at store og små bedrifter slår seg saman, og så jobbar dei tett saman med eit universitet eller ein høgskole. Eg har vore i ein situasjon der eg har hatt gleda av å jobbe i ein del slike nettverk. nettverk. Det er heilt fantastisk å sjå korleis både bedriftene, og spesielt dei små bedriftene, og lærarkreftene på universiteta blomstrar når dei får komme saman i eit slikt nettverk. Då får bedriftene, og spesielt dei små bedriftene, oppdatert kunnskap, og undervisingskreftene på universitet får oppdatert problemstillinga til å undervise sine studentar med. Det er noko av den mest effektive, og det er noko av den mest kunnskapsbaserte utvikling vi kan drive når det gjeld næringsutvikling. Då må eg seie at det overraskar meg storleg at Høgre nettopp har gått laus på den programposten i Kommunaldepartementet sitt budsjett som vi skal bruke til å støtte Norwegian Centres of Expertise og Arena. Det som undrar meg endå meir, er at når eg i to replikkar her har spurt Høgre-representantar kvifor dei gjer det, nektar dei for at det har skjedd.

for egen befolkning. Vi har en kommende matkrise på gang internasjonalt. Én milliard av verdens befolkning sulter i dag. Vi vet at verdens befolkning vil øke de nærmeste årene. I 2050 vil vi være om lag ni milliarder mennesker på jorden. Det innebærer at vi må doble matproduksjonen i denne perioden hvis vi skal brødfø alle. Også i Norge vil befolkningen øke de nærmeste årene. I dag importerer vi over halvparten av maten vi spiser her til lands, og det setter oss i en sårbar posisjon dersom det skulle oppstå en internasjonal krise. Tilgang på mat for egen befolkning er helt grunnleggende for en nasjon. Nasjonal matforsyning er en del av beredskaps- og forsvarspolitikken. Derfor må vi øke norsk matproduksjon som en følge av

Derfor er det viktig å videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i næringen for å oppnå dette. Jeg ser derfor fram til at regjeringen skal legge fram en egen stortingsmelding for å gjennomgå nettopp dette politikkområdet. En aktiv landbrukspolitikk er en forutsetning for næringer innen utmark, reiseliv og næringsmiddelindustri. Åpne kulturlandskap og et rikt biologisk mangfold er viktig for å skape attraktive reiselivsprodukter landet over. Vi i Senterpartiet er derfor positive til satsingen på reiseliv i Nord-Norge, som kommer på statsbudsjettet igjen i 2011. Vi ser positive resultater av denne satsingen, og det er viktig at den videreføres. Det er også gledelig at fjellregionen i vest har tatt til orde for et tettere samarbeid for å styrke reiselivet i denne delen av landet. Vi er også opptatt av matproduksjonen i «den blå åkeren», og vi synes det er positivt at regjeringen legger opp til en bærekraftig vekst i havbruksnæringen i Troms og Finnmark i 2011. Jeg vil for min del også takke for at vi fikk tildelt tre konsesjoner, to i Nordland og en i Hordaland, til dem som mistet konsesjonen i den ankerunden som var – en lykkelig løsning på en lei sak. Landbruk, skogbruk, reiseliv, fiskeri og havbruk er store distriktsnæringer, og alle er svært avhengige av gode Vi vil flytte mer gods fra vei til bane og sjø. Derfor må vi se på gode godsknutepunkter der omlasting kan finne sted. Koblingen mellom næring og samferdsel er åpenbar for Senterpartiet, og derfor investerer vi så tungt som vi gjør i gode

men med de rød-grønne har Fremskrittspartiet fått selskap. Status for regjeringens gasskraftpolitikk er at den er konkurs. I 2005 lovet regjeringen å rense gasskraftverket på Kårstø innen 2009. I 2006 lovet regjeringen å rense Mongstad innen 2014. Vi husker alle fra 2007. I dag kan ikke regjeringen love rensing verken på Kårstø eller Mongstad innen 2020. Blir dette virkelighet, kan vi antakelig se langt etter å innfri målsettingene i klimaforliket fra denne sal. Dette er alvorlig – en alvorlig melding for klimaet vårt. Når renseplanene går i vasken, skulle en tro at regjeringen, en regjering med SV og Senterpartiet om bord, i det minste ville sørge for at Mongstad- og Kårstø-gasskraftverkene ble pålagt å betale for CO2-utslippene sine – men den gang ei. De rød-grønne utslippskameratene subsidierer CO2-utslippene fra Kårstø og Mongstad med over 0,5 mrd. kr i året. Sammenliknet med gasskraftverket på som betaler full CO2-avgift og full kvotepris, slipper Kårstø og Mongstad unna med en tiendedel av CO2-avgiften og får alle sine kvoter tildelt gratis fra staten. Avlysning av månelanding, skrinlegging av Kårstø-rensing og subsidiering av utslipp er det største politiske nederlaget i norsk politikk på veldig mange år, og dette kommer til å farge den rød-grønne regjeringens ettermæle. Det blir et kullsvart ettermæle. I Kristelig Folkepartis alternative budsjett foreslår vi full CO2-avgift på Kårstø og Mongstad, som på Snøhvit. Vi bevilger 55 mill. kr til å gjenoppta anbudskonkurransen for å få fullskala rensing på bryter med prinsippet om at forurenser skal betale – et hovedprinsipp i Soria Moria-erklæringen, et hovedprinsipp i festtaler, men dessverre ikke et hovedprinsipp i den konkrete politikken som i dag går gjennom dette hus. I Dagbladet i dag sier Erna Solberg og Siv Jensen at de har funnet sammen. Jeg er I Dagbladet i dag sier Erna Solberg og Siv Jensen at de har funnet sammen. Jeg er glad på deres vegne. Men dette er et politisk partnerskap som kan varig endre Skole-Norge. Vi risikerer å gå fra en god offentlig fellesskole med noen få private supplement til en offentlig fellesskole med et uoversiktlig antall privatskoleinnslag og kommersielle privatskoler. Det vil svekke innholdet i fellesskolen fordi det vil tappe den for ressurser, og det vil svekke oppslutningen om fellesskolen fordi de som har råd til det, vil velge privatskoler for sine barn. I sum vil det skape et A-lag og et B-lag i Skole-Norge. Det som er litt pussig, er at Høyre nesten ikke vedkjenner seg dette. Representanten Aspaker følte til og med behov for å presisere at Høyre satser på fellesskolen. fellesskolen. Jeg registrerer også at Høyre heller ikke omtaler de private skolene i sitt alternative budsjett. De er ikke engang verdiget en fotnote i det 78 sider lange alternative budsjettet. Men i trontaledebatten måtte Høyre-leder Erna Solberg helt til slutt innrømme i avslutningsinnlegget sitt at jo da, de ville jo egentlig ha den gamle friskoleloven som gir et frislipp for tilbake. Når Solberg sier i dag at de har funnet sammen med Fremskrittspartiet, må vi ta det på alvor. Ja, ifølge Dagbladet sier representanten Solberg til og med at det er Fremskrittspartiet som har nærmet seg Høyre, og ikke omvendt. Da kan vi bare anta at når Fremskrittspartiet legger inn 70 mill. kr ekstra i tilskudd til private skoler, ligger dette tett inntil de prioriteringene som Høyre mener er riktig. Vi trenger ikke lure på hva dette betyr i praksis. Vi har jo sett deler av det før. Det var Høyre som åpnet for at et utenlandsk skolekonsern skulle åpne privatskoler i Norge. Det var Høyre som fristet privatskoleeiere til å sende søknader som tilsvarte en fordobling av antall privatskoleplasser. Det var Høyre som etterpå måtte se at de private John Bauer-skolene i Oslo og Bergen, som de selv hadde godkjent, ble avkrevd millioner av kroner av Utdanningsdirektoratet fordi skolene hadde brutt forutsetningene om at alle inntektene skal komme elevene til gode. Noe av det første vi gjorde i regjeringskontorene, var å stoppe privatiseringspolitikken til høyrepartiene. Vi vil ha en god offentlig fellesskole for alle. Vi vil ikke ha et A-lag og et B-lag i skolen. Nå som Høyre og Fremskrittspartiet selv sier at de har funnet sammen, har jeg noen skolepolitiske utfordringer til dem: Kan Høyre og Fremskrittspartiet garantere at de ikke vil tillate skoler som vil tjene penger på norske elever? Kan de garantere at de ikke vil svekke den offentlige fellesskolen med privatskoler som tapper fellesskolen for ressurser? Kan de garantere at de ikke vil slippe markedstenkningen inn i skolen? Det ville vært greit å få avklart

avgjørelser for å gi norske forbrenningsanlegg en ørliten mulighet til å konkurrere med sine svenske kolleger, og den mye omtalte biodieselsaken førte til at Uniol som skulle produsere fornybart drivstoff, gikk konkurs. Regjeringspartienes medlemmer bagatelliserer hva som skjedde i biodieselsaken, men uforutsigbare rammebetingelser og avgifter som avgifter som bidrar til konkurransevridning, får skadevirkninger som henger i i lang tid etter at regjeringen har fjernet avgiftene. Uforutsigbare rammebetingelser påvirker også satsingsviljen til utenlandske og lokale investorer som frykter at tilsvarende uforutsigbare krumspring fra den rød-grønne regjeringen kan føre til store tap. Fremskrittspartiet vil i motsetning til regjeringen sikre at Moss Lufthavn Rygge kan utvikle seg til en internasjonal flyplass. Vi vil gi konkurransedyktige rammevilkår, bl.a. for å skape utvikling i næringslivet og nye arbeidsplasser. Regjeringen hindrer også næringsutvikling med den nye plan- og bygningsloven som hindrer at lokale politikere kan ta avgjørelser for å skape utvikling i fylket. Finansministeren uttalte tidligere i dag at velferdstjenestene ikke skal være avhengig av den enkeltes økonomi, men politikken regjeringen fører, resulterer i det motsatte. Helseforsikring og privat behandling øker når regjeringen kun lar pasienter som betaler privat, få benytte store deler av det eksisterende behandlingstilbudet. Statsministeren kjenner tydeligvis ikke situasjonen. Han var stolt over at Ringvoll Klinikken faktisk hadde avtale med Helse Sør-Øst. Ja, det er riktig det – avtale for fire operasjoner av de 25 som de kan utføre. Da er det mye ledig kapasitet igjen. Hvordan sørger så regjeringen for å få folk over fra trygd til jobb? Det er ikke rart at regjeringen ikke forstår Fremskrittspartiets politikk. Ved å sørge for rask behandling, at folk blir friske, og at folk får hjelp til å komme i jobb, vil man unngå at flere er uføre. Regjeringen kutter i tiltaksplassene. De kutter i VTA-plassene. Tilretteleggingstilskuddet blir ikke forbedret. Kvalifiseringsplassene er det ingen grunn til å tro det vil bli flere av, og kanskje nettopp på grunn av den stønaden regjeringen har gått inn for, er det vanskelig for kommunene å opprette nok plasser. Antallet yngre arbeidsledige og trygdede øker. Fremskrittspartiet sier nei til passive stønader til yngre mennesker. Det må satses på å få ungdommen i arbeid. Når det gjelder kommunene, øker eiendomsskatten, og det er stikk i strid med det regjeringen har lovet. Regjeringen har lovet at skattene ikke skal øke. Eiendomsskatt er også skatt, og for folk flest spiller det ingen rolle hvem som krever inn skatten.

Da Bondevik II-regjeringen var historie, sto det nærmere 3 000 straffedømte i soningskø. Denne lange soningskøen medførte stor frustrasjon: frustrasjon hos ofre som visste at gjerningspersonene gikk fri mens de ventet på å bli innkalt for å sone straffen sin frustrasjon hos de ansatte i kriminalomsorgen som følte at de aldri hadde frustrasjon hos de straffedømte selv, som gjerne ville sone sin straff, slik at de kunne komme seg videre i livet som lovlydige borgere og sist, men ikke minst stor frustrasjon hos folk flest over de urimelig lange soningskøene Dette var en uholdbar situasjon som det måtte ryddes opp i. Regjeringen satte i gang et omfattende arbeid med en stortingsmelding som Meldingen fikk det betegnende navnet Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. Vi ser nå betydelige resultater av regjeringens målrettede innsats. Bevilgninger på nærmere 2 mrd. kr har bl.a. medført at antall straffegjennomføringsplasser fra 2006 er økt med om lag 800. Av disse er rundt Innholdet i soningen er betydelig forbedret gjennom skoleavdelinger og bibliotek, rusmestringsenheter og Nav i fengsel – for å nevne noe. Jeg har brukt mye tid på å sette meg inn i justisfeltet og har bl.a. besøkt godt over halvparten av alle fengslene. De ansatte i kriminalomsorgen gjør en fantastisk jobb for enkeltmennesker og samfunnet og fortjener stor honnør. På min fengselsturné har jeg møtt mange innsatte som har fortalt at innholdet i soningen er avgjørende. Historien om han som tok fagbrev i bilfaget under soning, og som fikk fast jobb i bedriften hvor han hadde praksis, gjorde sterkt inntrykk på meg. Han skulle snart løslates og gjenforenes med kjæresten sin. Nå hadde han råd til å kjøpe seg egen leilighet og begynne på livet. Rusproblemene, og dermed den stadige jakten på penger med tilhørende kriminalitet, var erstattet med fullført utdanning, jobb og bolig – en skikkelig solskinnshistorie som viser at det nytter. I mai i år ble det lagt fram en nordisk tilbakefallsstudie. Den viser at Norge kommer best ut, med en tilbakefallsprosent på 20 pst. Det er et godt bidrag til et tryggere samfunn

siste innlegg var for så vidt et unntak – og egen politikk gjemt bort og usofistikerte angrep på Høyre framført i heseblesende tempo på inn- og utpust. Jeg lurer på om det er satt opp en premie til utdeling på juleavslutningen til den rød-grønne politiker som klarer å si mest negativt om sine motstandere på 3 minutter. Denne debatten avslører en regjering på defensiven.

at hans partifeller og andre fra de rød-grønne kun er opptatt av andres politikk og ikke framhever det som de selv burde synes var et godt budsjett. Men, all right: Heikki Holmås holdt et innlegg tidligere i kveld. Siden han er leder i min komité, føler jeg at jeg må kommentere det. Han hadde en kjærlighetserklæring til norske distriktskommuner. Den kjærligheten deler jeg også. Men ifølge Holmås var den beste distriktspolitikken å sørge for god kommuneøkonomi gjennom overføringer fra staten. Jeg er enig i at en trenger en god kommuneøkonomi, men grunnlaget for den kommuneøkonomien må være den verdiskapingen som skjer lokalt. Det må jo være utviklingen av et dynamisk næringsliv som gir skatteinntekter, og som gir mulighet for å bygge ut den kommunale velferden. Det er noe den rød-grønne regjeringen regjeringen bevisst har prøvd å svekke gjennom de årene den har sittet. Under Bondevik II-regjeringen var det sånn at 50 pst. av skatteinntektene ble beholdt i egen kommune. Før var det sånn at en andel av selskapsskatten, bedriftsskatten som skulle tilbakeføres til kommunen, ble igjen i kommunen. Nå er dette incentivet borte. Hva er det da som gjenstår? Det er ingen incentiver i kommuneøkonomien for å skape arbeidsplasser lokalt. Alt skal inn i statskassa for så å deles ut rundhåndet fra regjeringen. Dette er ingen god næringspolitikk. Når Heikki Holmås sier at den beste distriktspolitikken er å drive med fordeling av midler fra statskassa, må jeg si at jeg skjønner at det å legge vekt på næringsutvikling er

vil øke med 50 pst. fram mot 2050 – forutsatt at vi fortsatt holder oss med regjeringer som holder orden i økonomien. Bare ett parti står utenfor det politiske forliket om Pensjonsreformen. Fremskrittspartiet har etter hvert beveget seg fra flat minstepensjon til alle til dagens pensjonsordning i forbedret utgave. Altså: Da andre parti på Stortinget innså at dagens pensjonssystem verken er bærekraftig eller rettferdig, valgte Fremskrittspartiet å sende en gigantisk pensjonsregning til framtidige generasjoner. Om 40 år, og vi må tenke så langt i pensjonssammenheng, vil en forlengelse av dagens pensjonsordning koste 42 mrd. kr mer per år regnet i enn den nye pensjonsordningen. Da vil det være færre yrkesaktive til å dele regningen. 42 mrd. 2008-kroner hvert år er ganske mye penger. For et slikt beløp kan vi faktisk gi sykehjemsplass til alle som trenger det, gi fattige barn gode oppvekstvilkår og attpåtil ha penger igjen til å innfri noen av Fremskrittspartiets samferdselsløfter. Men det er selvfølgelig for mye forlangt å kreve at Fremskrittspartiet skal se slike sammenhenger. I årene framover vil vi trenge mer arbeidskraft, bl.a. for å ta hånd om stadig flere eldre, som lever lenger, og som vil trenge mer omsorg og pleie mot slutten av sin levetid. Et av hovedmålene i Pensjonsreformen er derfor at det skal være lønnsomt å arbeide lenger. Et par tall kan belyse hva som skjer. Dersom den gjennomsnittlige pensjonsalderen øker med seks måneder, reduseres de årlige pensjonsutgiftene med 12 mrd. kr, og verdiskapingen blir om lag dobbelt så høy. Nå skal vi ikke vente at et parti som helst tenker fra den ene meningsmålingen til den neste, nærer særlig bekymring for framtidas generasjoner. Men Fremskrittspartiet skal gå inn i regjering med Høyre, og Høyre er en del av pensjonsforliket, og de bør bekymre seg over en framtidig regjeringspartner som gladelig setter pensjonsforliket over styr. Derfor er det først og fremst Høyres oppgave å avsverge Fremskrittspartiets pensjonsløfter. Representanter for den rød-grønne regjeringen har i dag gjort et stort nummer av at de har en god Representanter for den rød-grønne regjeringen har i dag gjort et stort nummer av at de har en god distriktspolitikk, og samtidig at et annet regjeringsalternativ vil være en katastrofe for Distrikts-Norge. Det forundrer meg litt. Jeg representerer en del av Distrikts-Norge, nemlig Nord-Trøndelag. Der er det mange yrkesutøvere som ikke er særlig fornøyd i dag. For at vi skal få mennesker til å bo i distriktene, er det viktig at de har noe å leve av. I distriktene er mange arbeidsplasser knyttet til landbruket og skognæringen. Det høres vel ikke særlig bra ut når SV-ordføreren i Namsskogan, Kari Ystgård, sier – og hun snakker da om rovdyrpolitikken: «Dagens politikk kan ikke fortsette der bøndene seigpines.» Senterpartiordfører Vigdis Hjulstad Belbo i Snåsa er så fortvilet at hun nå sender brev til Kongen og ber om hjelp. Hun skriver: «Situasjonen for den sørsamiske tamreindriften er nå dramatisk på grunn av meget store rovdyrtap over tid. I mange år er dette budskapet blitt formidlet til regjering og Storting uten at løfter om å iverksette tiltak er fulgt opp. I vår fortvilelse over at ingen virksomme tiltak blir iverksatt, ber vi Hans Majestet Kongen om hjelp.» Jeg kan ikke skjønne at Senterpartiet, som påstår å være garantist for levedyktige distrikter i Norge, er fornøyd med denne utviklingen. Det må sies å være noe besynderlig at en senterpartiordfører må be Kongen om hjelp i distriktspolitikken. Det kan i alle fall ikke være noe Senterpartiet i regjering slår seg til brystet for og er såre fornøyd med. En annen stor inntektskilde i distriktene er skogen – vel å merke når den drives. Skognæringen er Trøndelags tredje største næring og den største eksportnæringen i regionen. En stor hindring i denne næringen er praktiseringen av INON, altså inngrepsfrie områder. Mye av gammelskogen mangler i stor grad utbygd infrastruktur, og den hogstmodne skogen holder på å råtne på rot mens skogindustrien sårt trenger tømmer. Høyre er også for at særlig verneverdige områder skal bevares og tas vare på, men mener at reglene for inngrepsfrie områder må defineres på nytt. Det kan da umulig være god nasjonalpolitikk å la god skog råtne på rot når den kunne vært en del av verdiskapingen og ny skog samtidig kunne gitt mulighet for større CO2-fangst. Høyre blir ofte angrepet av regjeringspartiene for at vi vil rasere landbruket. Det er riktig at Høyre ønsker en annen landbrukspolitikk, en politikk hvor pengebruken i større grad hvor pengebruken i større grad kommer de aktive utøverne av næringene til gode, en politikk med redusert detaljstyring fra statlige organer, en politikk som i større grad stimulerer til produksjon og verdiskaping i distriktene, en politikk som gjør at dagens samdrifter i melkeproduksjonen får rammebetingelser, sånn at de overlever og ikke i stigende grad, som i dag, må legge ned på grunn av rammebetingelsene og tilskuddsordningene. Jeg bare spør: Hvor er det blitt av garantisten for god distriktspolitikk?

Egentlig er dette sosialdemokratiets totale triumf i norsk politikk, for til og med høyrepartiene erkjenner at samfunnskoden i Norge er at folk ønsker et samfunn med små forskjeller mellom folk. Men dessverre er nok det bare tom retorikk. Særlig ser vi det når vi ser nærmere på Høyres politikk og det de faktisk foreslår. Vi kan starte med den tiden da Høyre satt i regjering. Vi husker veldig godt at man i Verdal, mens Erna Solberg var kommunalminister, måtte si opp 20 lærere. Jeg husker veldig godt et møte jeg hadde med skoledrivere fra en ideell organisasjon som fryktet friskolen, fordi kommersielle aktører kom til å overkjøre dem. Vi husker også veldig godt et sterkt møte med en driver av en pleieinstitusjon som måtte skjære helt inn til beinet i sine tilbud til de eldre, og som faktisk satt og vurderte å måtte kutte ut smertelindring for eldre kreftsyke pasienter. Det var virkeligheten under Erna Solberg som kommunalminister. Vi kan se det også på Høyres forslag til hvor en person med 350 000 kr i årslønn får 2 000 kr mindre i skatt i året. Det er penger som sikkert kommer godt med. Du får nesten nok til å betale de 200 kr ekstra i måneden det koster med Høyres forslag om å heve prisen i barnehage, altså en skatteskjerpelse reelt sett. Men ekstra tydelig blir det når vi ser at tjener du over

Man skal altså regjere sammen med en partiformann som har sagt at det blir total forandring og markedstenkning på alle nivåer. Hvordan skal man med et slikt alternativ skape et samfunn med mindre forskjeller mellom folk? Høyre er

på å skulle kapre hva enten det er den nordiske modellen, som etter hvert har blitt redusert til den norske modellen, eller, som det etter hvert nå er snakk om, å monopolisere verdier for Arbeiderpartiet, eller sosialdemokratiet. I denne debatten har det kommet flere angrep på Høyres forskjellige måter å tenke velferd på, og barnevernet er et av de områdene der ikke minst SVs representanter – representanten Thorkildsen, ganske modig, vil jeg si – har rettet angrep mot Høyre. Jeg sier det er modig, for barnevernet har vel ikke akkurat vært noen paradegren for denne regjeringen. Vi har gjennom fem år slept oss gjennom fire statsråder hvor det er nokså lite som faktisk har skjedd, kanskje med et hederlig unntak for den statsråden som sitter nå. Jeg vil si at statsråd Lysbakken har iallfall snakket om en del ting han vil gjøre, og la oss da gi ham sjansen til å få lov til også å vise at han er kar om å fullføre det. Jeg unner ham gjerne det, og jeg kommer gjerne med den rosen, fordi det er viktig. Det er viktig at vi får stell på barnevernet. Og Høyres grep om barnevernet handler om å ha en ydmykhet i forhold til å se om organiseringen er optimal. Vi tillater oss å tvile på det. Det som her har blitt beskrevet som en rasering av det statlige barnevernet, er i virkeligheten en synliggjøring i budsjettet av et ønske om en sterkere satsing på kommunene ved at vi flytter 300 mill. kr fra det statlige barnevernet til det kommunale, et grep som i og for seg er parallelt med regjeringens. Høyre ønsker å ivareta mangfoldet i barnevernet. Istedenfor å ha en enøyd debatt om privat eller offentlig tjenesteyter kunne vi kanskje hatt en debatt om hvordan vi ivaretar mangfoldet. Jeg skulle gjerne høre regjeringspartiene fortelle oss hvordan de har tenkt å ivareta et mangfold dersom man kutter bort halvparten av dagens institusjoner – det er den kursen vi er på. Høyre ønsker tilgjengelige tilbud for at vi skal ha skreddersømmen for barna som trenger det mest. Vi ønsker mangfoldet i det tilbudet, som faktisk da skal gi de mest optimale løsningene for det enkelte barn. Her dreier det seg altså om en debatt som må handle om konkrete tiltak, ikke om monotone ideologiske utskjellingsnumre. Først en liten kommentar til representanten

Verden raser rundt oss, uro og opprør er hverdagen i flere land. I eget hjemfylke har ansatte i industrien fått erfare finanskrisen i hverdagen. Permitteringer og usikkerhet preger store deler av landsdelens eksportindustri. Likevel er Norge en øy av ro i et opprørt hav. Roen kommer som et resultat av langsiktig rød-grønn politikk. Regjeringen har styrt landet gjennom som gjør at vi har prioritert barn, rusbehandling og eldre. Arbeidsmarkedspolitikken har holdt ledigheten lav, og kommuneøkonomien er styrket. Det er mer å gjøre – årets budsjett viser at vi fortsetter i riktig retning. Vi prioriterer å styrke de tre stolpene som bærer velferdsstaten: bredt skattegrunnlag og omfordeling, universelle offentlige velferdstjenester og et bredt samarbeid med fagbevegelsen om de store linjene i arbeidsmarkedspolitikken. Fremskrittspartiet og Høyre har nå offentlig erklært hverandre troskap. Vi skal få en mørkeblå-blå regjering. Mens Fremskrittspartiet framstår som mer uansvarlig enn på lenge i den økonomiske politikken, framstiller Høyre sin politikk som ren arbeiderpartipolitikk. Det er nesten sånn at jeg fristes til å ta fram verveblokken. Men det er fremdeles sånn at en stemme til Høyre er å gi Fremskrittspartiet makt. Representanten Gundersen fra Høyre sa at folk «ikke kjenner seg igjen» i vår framstilling av Høyres politikk. Det er nok heller sånn at det er Høyre som ikke kjenner igjen sin egen politikk. Men Erna Solberg oppklarte det: Høyre driver god, gammeldags høyrepolitikk. Den er sånn: redusert stillingsvern for arbeidstakere. I flere forslag står de sammen med Fremskrittspartiet om angrep på trepartssamarbeidet, og de fjerner fradraget for fagforeningskontingent. Høyre vil være en ulykke for verdiskapingen i Vest-Agder. Høyre fjerner 1,5 mrd. kr til regional utvikling – byråkrati kaller de det. Klyngene NODE og Eyde-nettverket får årlig over 4 mill. kr gjennom disse bevilgningene – midler som utvikler kompetanse og skaper innovasjon og utvikling for Agder. Representanten Gundersen mente at deres 400 mill. kr til næringsutvikling var en god erstatning. Høyre kutter i leksehjelp på grunnskoletrinnet, fjerner fedrekvoten og landbruksmidler på 1,7 mrd. kr. Høyre bruker 10 mrd. kr på skattelette. De snakker lite om hva som skal skje med dem som mister arbeidsplassene sine som følge av landbruks- og kommunalpolitikken. Dette er Høyres verdiskapingspolitikk. Så, ja: Høyre er gjenkjennelig. Det er ikke arbeidsfolk de er opptatt av når de kutter i regionalutviklingsfond, landbruk og tiltak for barn. Den viktige satsingen på Høyres budsjett er skattelette på

spesielt interesserte at de har fulgt denne debatten i løpet av dagen, og som fortsatt skulle holde ut, tror jeg den må fortone seg ganske spesiell, men kanskje også med et mønster, hvor man ser at rød-grønne går til frontalangrep på det som man frykter skulle være samarbeidspartier for fremtiden. Og jeg tror det er veldig enkelt å tenke at det er det man gjør når man vil skjule egen politikk. Jeg har hørt Tajik, Gullvåg og Stokkan-Grande stå i rekken av dem som har snakket om alle andre enn seg selv. Jeg var selv i Verdal og møtte folk som var meget fornøyd med regjeringen Bondevik II, og som var godt fornøyd med at vi fikk inn rettigheter til rusmisbrukere, en individuell tenkning, og de samme rettighetene innenfor helse og spesialisthelsetjeneste, som de ikke hadde fått under Stoltenberg Jeg møtte fattige, de som absolutt trengte en ekstra oppmerksomhet, og som regjeringen nå har avlyst handlingsplanen for, som var meget godt fornøyd med landets første handlingsplan mot fattigdom, som Stoltenberg I overhodet ikke viet oppmerksomhet. Og jeg møtte mange brukere i Verdal som var godt fornøyd med at vi igangsatte det arbeidet som har gitt grunnlaget for en samordning av Aetat, trygd og sosialtjeneste. Så det finnes andre historier i Verdal, som var et resultat av den politikken som partileder Solberg førte, i en regjering som jeg også var en del av. Høyre har i sitt alternative budsjett en plan for fremtiden på samme måte som vi viste i Bondevik II-regjeringen. Vi er opptatt av generasjonsperspektivet, og så langt har jeg skjønt at det er også partiene i dagens regjering, men, som man sier i Østfold, det kan ikke være så ille stas å arve en nedslitt jernbane. jernbane. Regjeringen nedprioriterer altså samferdsel. Regjeringen har eventyrlige inntekter som de fleste land er misunnelige på, men de makter altså ikke å stake ut en kurs som trygger Norges velferd. Vi vil ha en ny kurs for fremtiden, vi vil ha nye løsninger, men det har så langt vært stillstand for jernbanen, og regjeringen er ikke i stand til å nytte de bevilgede midlene. skulle ha en revolusjon, med en ny ruteplan. Den er utsatt på ubestemt tid. Og det kom helt bakpå for regjeringen at man hadde et større etterslep på vedlikehold når sommeren var over, enn det man visste for fem år siden. Vi har foreslått vedlikehold for 50 mrd. kr. Det ville doblet vedlikeholdsbudsjettet for jernbanen, men det forutsetter jo da at man har institusjoner og departement og regjering som er i stand til å sørge for at man klarer å bruke de pengene man får stilt til rådighet. Så langt ikke. Entreprenører sier at det er ledig plankompetanse og kapasitet i Norge. De er så langt ikke spurt. Regjeringen leverer en solid satsing på skole og utdanning. Og det er

Arbeiderpartiets skolepolitikk har i hele vår historie handlet om å gi mer utdanning til stadig flere. Under forrige regjering, der Høyre og Fremskrittspartiet hadde stor innflytelse, så vi et brudd med denne linja. Det var igjen de med mest penger, de som allerede hadde klart seg best, som skulle få de fleste mulighetene. Dette budsjettet varsler at det også vil være det som er linja dersom vi skulle få en blå-blå regjering ved neste korsvei. På skolebudsjettet kutter Fremskrittspartiet i grunnopplæringen samlet sett med over 169 mill. kr. I sitt budsjett har de også omfordelt, og de gir 75 mill. kr mer til private skoler. Dermed holder Fremskrittspartiet seg til sin gamle plan om å rasere offentlig velferd for at flere skal velge private løsninger. Arbeiderpartiet ønsker en sterk offentlig skole som har fokus på kvalitet og læring for alle. Min påstand er at det er det motsatte vi vil få med Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet sier ofte at de vil har en skole for enkeltmennesket. Min påstand er at de vil lage gode skoler for enkelte mennesker: de som er flinkest, og de som har råd til å betale for det. Flere av Fremskrittspartiets skolekutt er dessuten godt gjemt. De vil forby kommuner å ta inn eiendomsskatt. Det betyr minus Høyre har dessuten lagt ned veto i denne salen i dag mot Fremskrittspartiets uhemmede oljebruk, og det er 5,8 mrd. – Fremskrittspartiets egne tall – som kommunene da heller ikke vil få med ny regjering. Når partiet også kutter bevilgningene til fylkeskommunen, kan de jo spørre sine egne politikere der ute hva de vil prioritere: skole eller vei? Partiet er jo som kjent også imot bompenger, så da burde vel valget være klart. Skolen og neste generasjons utdanning er for viktig til at det skal kunne bli et fremskrittspartieksperiment. Det er, som jeg sier, fundamentet for hele samfunnet vårt. Fremskrittspartiet viser i sitt drømmebudsjett at fellesskolen ikke er viktig for dem. Det er den for Arbeiderpartiet. Vi skal gjøre skolen bedre for alle, ikke bare for noen få. For oss i Arbeiderpartiet handler politikk om veivalg. Dette er et budsjett som peker i retning av et mer rettferdig samfunn og

Men la oss stoppe opp litt ved arbeidsledigheten. For oss i Arbeiderpartiet er en arbeidsledig én for mye. Men det er ingen tilfeldighet at vi i Norge klarer oss så bra økonomisk og sysselsettingsmessig i forhold til mange andre land. Det er i stor grad et resultat av den norske sosialdemokratiske samfunnsmodellen, som står i motsetning til den internasjonale krisen, som er et resultat av mangel på styring. styring. Dette snakker Høyre og Fremskrittspartiet lite om, for de skjønner at det var faktisk deres politikk som var oppe til eksamen, og at resultatet ble finanskrise og dermed strykkarakter. Hva blir så veien videre? Valget står mellom Høyre–Fremskrittsparti-politikk og en fortsatt rød-grønn politikk. Da hjelper det lite at Høyre har lært av Fremskrittspartiets retorikk, en retorikk som går ut på å forsvare velferdssamfunnet, i kombinasjon med en politikk som går ut på å rive ned verdens mest vellykkede velferdssamfunn. Det er handlinger som teller og ikke ord. Høyre–Fremskrittsparti-politikken handler om å skape utrygghet i arbeidslivet, skattekutt – og da særlig for de rikeste og en kraftig privatisering av velferden. Resultatet av en sånn politikk ville blitt store forskjeller og «bompenger» på velferd, hvor lommeboka i stor grad vil avgjøre hva slags velferdstilbud en vil kunne få. Det blir derfor bare trist og leit å høre representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet her i dag snakke om et samfunn med like muligheter og små forskjeller, når de ikke i det hele tatt følger det opp med en politikk som vil gjøre det mulig, men tvert imot bidrar til det motsatte. Vi i Arbeiderpartiet vil fortsette å arbeide knallhardt for å beholde og videreutvikle den norske velferdsmodellen, der alle skal med gjennom dugnad og spleiselag. Dette er i skarp kontrast til Høyres og Fremskrittspartiets norske teselskap, som vil resultere i at svært mange vil falle utenfor samfunnet.

Det er no familievaldskoordinator i alle landets politidistrikt og sju barnehus over heile landet, og retten til bistandsadvokat og valdsoffererstatning er styrkt. Innføring av tiltaket med dødsstadsgransking når barn dør uventa, er veldig viktig. Mykje er såleis gjort når det gjeld reparasjon og rehabilitering. Og eg er glad for at justissektoren i dette budsjettet får handlingsrom til å halda fram med det viktige arbeidet med å kjempa mot vald mot Likevel kan ein enno gjera mykje når det gjeld førebygging. Me kjenner alle historia om Christoffer på åtte år, som blei mishandla til døde av stefaren sin, i si eiga seng – der han skulle føla seg aller tryggast. I dommen mot stefar kunne ein lesa: «Christoffer ble sviktet av alle, også sin egen mor.» Ho nekta for at mishandlinga skjedde, og gjekk fri. I dansk rett har ein sidan 1938 dømt foreldre som ikkje melder frå om at partnaren utøver vald mot barnet. Formuleringar i dagens straffelov opnar isolert sett for å dømma den passive parten. Lovverket er ikkje problemet. Eit viktig førebyggjande tiltak vil derfor vera å skjerpa inn plikta til å melda frå om vald. Me skal gjera det heilt klart for skule- barnehagepersonell og andre som arbeider med barn, at meldeplikta står over all teieplikt så fort det er rimeleg mistanke om mishandling. Det er eit ansvar som støtteapparatet må vera seg strengt bevisst. Men dette ansvaret er eit paradoks så lenge me enno ikkje stiller spørsmålet: Kor var mor når far slo? Barn blir rettslause når nærmaste omsorgsperson i praksis ikkje blir straffa for å lata att auga for Målet for regjeringa må vera å samarbeida med riksadvokaten for å utvikla ein juridisk tradisjon for å påtala også det å ikkje gripa inn. Og eg trur at den allmennpreventive effekten av å synleggjera eit slikt straffansvar vil verka førebyggjande. Vidare må domstolane aktivt nytta den moglegheita dei har til å idømma overgripar og medverkar sinnemeistringsprogram i fengsel. Og kriminalomsorga må få klare retningsliner for korleis denne rehabiliteringa skal skje.

Presidenten kan informere om at med de nå inntegnede talere ligger vi – foreløpig – an til å komme i gang med avstemning kl. 01.15. Norge er en energinasjon. Det kan vi takke to ting for: for det første de fantastiske gavene naturen har gitt oss, for det andre at vi har hatt politisk evne og vilje til å ta disse gavene i bruk på en måte som gagner fellesskapet. Energi er verdt mye penger, enten den kommer i form av olje og gass eller strøm. For Arbeiderpartiet er det tydelig at landets store og naturgitte energiressurser er vår alles eiendom. Da Norge var et fattig land i Europa, sikret vi oss hjemfallsrettigheten til den fornybare vannkraften. I petroleumspolitikken er det blitt gjort veivalg som er viktig for å finansiere velferden vår. 2010 – i år – vedtok vi i Stortinget den nye havenergiloven, som skal sikre at også framtidens fornybare ressurser skal komme fellesskapet til gode. Derfor er havenergiloven sosialdemokrati i praksis. Om 40 år kan det være 2010 som vil bli sett på som en ny

Bondevik II, med Fremskrittspartiet som støtteparti, prioriterte skattekutt og fulgte ikke opp den forrige Nasjonal transportplan med bevilgninger som var lovet. I budsjettet for 2011 ser det bl.a. slik ut: Vi stopper forfallet på veiene. Det gir ny asfalt, og det gir høyere standard. Vi legger 1 000 km ny asfalt på riksveiene. Vi øker vedlikeholdet på jernbane. Vi oppfyller løftet om en Vi vil belønne byer som satser på trafikkregulerende tiltak og god kollektivtrafikk. Arbeid til alle er jobb nr. én. Vi skal sikre arbeid til alle og skape morgendagens arbeidsplasser. Norge har med en aktiv politikk kommet gjennom finanskrisen med Europas laveste ledighet. Det skal vi være stolte av. Vi skal fortsette kampen for å holde ledigheten lav og flest mulig bidra til fellesskapet. I et godt og nært samarbeid med partene i arbeidslivet skal vi holde sysselsettingen høy. Noe av det første den rød-grønne regjeringen gjorde, var å stoppe høyresidens rasering av arbeidsmiljøloven. Vi mener at folk yter best under skikkelige arbeidsforhold. Derfor skal vi også fortsette kampen mot sosial dumping og for at utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge, skal ha skikkelig lønn, kontrakter og arbeidsforhold. Arbeiderpartiet skal ha skikkelig lønn, kontrakter og arbeidsforhold. Arbeiderpartiet skal og vil alltid være garantisten for et anstendig arbeidsliv. I dag har jeg som konservativ politiker blitt karakterisert som blå-blå, kald, representant for en egoistisk fordelingspolitikk og sist, men ikke minst en politiker i de rikes tjeneste. Konservativ politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evner. Konservativ politikk har troen på at mennesket utvikler seg selv og skaper det gode liv sammen med andre. For Høyre har fellesskap avgjørende betydning, men fellesskap er langt mer enn offentlig sektor Et trygt og livskraftig lokalsamfunn utvikles best gjennom å gi dem som bor der, muligheter, midler og makt til å skape de beste løsningene. Hvis ideen om å bygge det gode samfunn nedenfra betyr at jeg er blå-blå og kald, ja så er jeg det. Hvis mitt ønske om at næringsdrivende skal skape flere og tryggere arbeidsplasser ved hjelp av lavere beskatning, betyr at jeg står for en egoistisk fordelingspolitikk og er i de rikes tjeneste, ja så er jeg vel det. Det tar jeg med knusende ro, fordi jeg vet at jeg ikke er det i øynene til mange lokalpolitikere som er opptatt av å få mulighet, makt og midler til å skape gode lokalsamfunn, eller for de mange som satser sine sparepenger på å skape arbeidsplasser både i distriktene og i mer urbane strøk. Et slikt samfunnssyn betyr at man åpent godtar at forskjellige lokalsamfunn gjør ulike valg, og det innebærer en skepsis til sentraldirigering, rigide reguleringer og beslutninger fattet langt unna dem de angår. Jeg er altså en tidligere Høyre-ordfører med meninger i skarp kontrast til hva representanten Heikki Holmås påstår han på sin nylig avsluttede dannelsesreise har møtt. Både som lokalpolitiker og ordfører erfarte jeg at den politiske idé om at det gode samfunn bygges nedenfra, hadde betraktelig bedre kår under regjeringen Bondevik enn under det nåværende rød-grønne regimet.

prosjektet. Det er altså bare riktig når statsministeren skal forsikre om at han er det private næringslivs beste venn, og han kan nevne fastlegeordninger og barnehageprosjektet som eksempel. Når jeg i tillegg kan nevne store verneprosesser knapt nok forankret lokalt og den nye julesalderingen der man av og til tar trikken ut for å presentere en milliard her og en milliard der til gode formål, ser jeg desorienterte og frustrerte lokalpolitikere og innbyggere, ikke rød-grønn lykkerus. Da har jeg bedre tro på at vår modell skaper trygge lokalsamfunn med engasjerte folk. Da er jeg Da er jeg viss på at Norge får det best med flere og flere blå konservative politikere. Da er jeg faktisk viss på at jeg er en varm politiker med et prosjekt som gir alle like muligheter. I nasjonalbudsjettet på side 53 står det en nøktern, men viktig setning: fra petroleumsvirksomheten anslås til 288 mrd. kroner i 2011.» Dette er en del av budsjettet som ikke har fått den oppmerksomheten som det fortjener. For det er ikke sånn at pengene strømmer opp fra en kilde under havbunnen. Det ligger både hardt arbeid og mye tankevirksomhet bak disse inntektene. Jeg er opptatt av å påpeke at utvinning av olje og gass er krevende operasjoner som innebærer betydelig risiko både når det gjelder sikkerhet og miljø. Strenge regler, aktive myndighetsorgan og god sikkerhetskultur er nødvendig for å gjøre risikoen for storulykker i petroleumsvirksomheten minst mulig. I den senere tiden har det vært en debatt om håndtering av hendelsen på Gullfaks C. I media har Fremskrittspartiets representant Ketil Solvik-Olsen vært offensiv og hatt klare om hvordan tilsynet burde ha håndtert saken. Det er bra at Solvik-Olsen er aktiv i media på vegne av sikkerheten. Jeg hilser også denne debatten velkommen. Det spesielle oppe i dette er at Fremskrittspartiet i sitt alternative budsjett tar til orde for å bygge ned Petroleumstilsynet ved å slå det sammen med Arbeidstilsynet. For meg blir dette like lite logisk som å slå sammen Det blir verken bedre misjonering eller bedre fotball av den grunn. De to tilsynene har til dels svært forskjellige oppgaver. Fremskrittspartiet har heller ikke satt av midler til sammenslåingsprosessen i sitt budsjett. Jeg håper at representanten Solvik-Olsen eller lederen i arbeids- og sosialkomiteen, Eriksson, kan gjøre rede for hvorfor dette er et forslag som vil styrke sikkerheten offshore. Men jeg vil gi honnør til Fremskrittspartiet. De har tatt vekk forslaget sitt fra i fjor om å kutte de to tilsynene med 58 mill. kr. Senterpartiet tar arbeidet med sikkerheten offshore på alvor. Vi må stadig gjøre forbedringer og lære av hendelser som skjer. Men det er viktig at vi slår fast at vi skal ha et eget og aktivt tilsyn for petroleumsvirksomheten. Dette må være lokalisert i nærheten av hovedkontorene til de store Jeg skulle ønske at også Fremskrittspartiet var enig i det. Maksimalt fokus på sikkerheten er én av betingelsene for at vi også i framtiden skal kunne operere med setningen: «Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten Dette er en kjedelig setning, men den gjør budsjettprosessen betydelig enklere. Kvart år mottek mange kunstnarar og kulturberarar økonomisk støtte frå staten. Dette er

Eg ynskjer å vise eit eksempel på kvifor denne ordninga er svært viktig. I Telemark har me ein ung og lovande hardingfelemakar og spelemann, Ottar Kåsa, frå Bø, som på grunn av nettopp desse kronene kan arbeide med å utvikle felemakeriet og ta vare på vår nasjonale kulturarv. Dersom ein hadde fjerna denne støtta, hadde fjerna denne støtta, hadde det betydd eit svært mykje fattigare kunst- og kulturliv. I år vidarefører regjeringa 256 ordinære arbeidsstipend og 167 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnarar. I tillegg vert det no føreslått å opprette ti nye arbeidsstipend. Desse stipenda, desse kronene får me svært mykje att for. Denne støtta har ei stor lokal og regional betyding så vel som nasjonal.

og likevel vel å føreslå eit kulturkutt på 1 mrd. kr. Med så mykje monopolpengar er det heilt klart at kultur ikkje er eit prioritert område. Hadde det vore det, hadde dei funne pengar til det òg. Regjeringa sitt mål om at 1 pst. av statsbudsjettet skal gå til kultur innan 2014, har vorte forsøkt latterleggjort av opposisjonen. opposisjonen. Det er då det er så godt at me med tryggleik kan seie at me er i rute med å nå det målet. Med neste års statsbudsjett har me auka løyvingane til kultur med til saman 3,3 mrd. kr sidan me tok over i 2005. Ei satsing på kulturfeltet er viktig for kvar og ein av oss. Det byr på fellesskap og opplevingar, og det gjev oss eit rikare samfunn. Kunst og kultur er meir enn opera og store nasjonale museum. Kultur er revyfestivalen på Høylandet, det er internasjonal teaterfestival i Porsgrunn, det er sjokoladekappleik i Seljord, det er den lokale bygdekinoen og det er tiåringen som går på gitarundervisning i kulturskulen, for å nemne noko. Det er alt frå dei små, kvardagslege kulturtiltaka til dei store nasjonale

Landskapshotell i Norddal kommune. Gjennomgangstonen for alle nominerte var behovet for at noen trodde på dem i planlegging av nye prosjekt, og ikke minst gode rammevilkår. Kristelig Folkeparti er opptatt av å forbedre de grunnleggende rammevilkårene for verdiskaping. Økt satsing på forskning og utvikling er nødvendig for et næringsliv som skal bære kostnadene for kommende generasjoner. Vi øker midlene til bl.a. innovasjon i små og mellomstore bedrifter med 20 mill. kr. Såkornfond til kapital for nyinvesteringer øker vi med 25 mill. kr. Møbelnæringen er en viktig næring i mitt hjemfylke. Derfor har Innovasjon Møbel vært en viktig satsing, en satsing som dagens regjering Innovasjon Møbel har ført til innovasjon og internasjonalisering av norsk møbelindustri. Vi trenger å fortsette denne utviklingen. Kristelig Folkeparti har derfor styrket Innovasjon Møbel med 20 mill. kr i sitt alternative budsjett. Jeg må nok en gang få gjenta skuffelsen over at regjeringen ikke følger opp sine valgløfter fra august 2009. 26. august besøkte næringsstatsråden Sykkylven og lovte videreføring av innovasjonsmidlene til møbelnæringen. Regjeringen har dette året tilført ulike næringer ekstra midler, og det er bra. Det er ulike tiltakspakker i en periode som har vært vanskelig for deler av norsk næringsliv. Da hadde oppfølging av valgløftene også vært svært viktig for Folkeparti har ved flere anledninger etterspurt denne støtten. Ved spørsmål til statsråd Giske har han i svaret vist til Innovasjon Norge, og Innovasjon Norge har vist til manglende tildelingsbrev. Ingen tar ansvar. Mange små og mellomstore møbelbedrifter har utfordringer med å posisjonere seg i det internasjonale markedet. Små bedrifter er mer sårbare for å utvikle egne løsninger internasjonalt. Kristelig Folkeparti mener derfor at det er viktig å støtte eksisterende bedrifter med tanke på både samfunnsøkonomi og sysselsetting. Dette er også god distriktspolitikk.

ja, kanskje til og med kle seg ut. De prøver å framstille seg som mer renhårige i et velferdsperspektiv, men det virker som det kun er yttertøyet de da viser fram, for på innsiden ser vi en tydelig profil som er blåere enn noensinne. I media og på talerstolen flørter de vilt og uhemmet med Fremskrittspartiet, samtidig som sminker sitt budskap til velgerne med en sosialistisk tone. Kanskje prøver de å kle seg som liksom-sosialister? Men er det sammenheng mellom ord og handling? Høyre sier vi må bedre utdanningen. Det er også vi opptatt av. Det er derfor vi har kommet med mange ulike tiltak overfor denne sektoren. Ett eksempel er at vi har økt antall lærere med 4 650 siden 2005 – i motsetning til Høyre, som kuttet 1 000 lærerårsverk da de hadde makta sammen med Bondevik. Ut fra høyresidens entusiasme etter å kutte i offentlig sektor kan man kanskje ane en viss allergi mot en sterk offentlig sektor. Samtidig som de er opptatt av næringsutvikling og rammebetingelser, og ikke minst økte tilsyn til ulike næringer, er de minst like opptatt av å kutte i deres budsjett. Med de store kuttene i offentlig sektor som foreslås, får man ikke bare dårlige tjenester, de sender også mange mennesker ut i arbeidsledighet. Inntekter til fellesskapet er viktig. Regjeringen er klar på at også vi framover skal ha store motorer i norsk næringsliv i offentlig eie. Disse skal komme fellesskapet til gode. Fremskrittspartiet og Høyre, derimot, virker svært så enige om at det er klokt å selge ut viktige deler av norskeide selskap for å utløse engangsinntekter, framfor å sikre løpende inntekter for framtiden. Det har blitt sagt mye klokt om den norske modellen i debatten, en modell regjeringen og regjeringspartiene er opptatt av Så mitt budskap til høyrepartiene er: Denne samfunnsmodellen er et puslespill sammensatt av mange viktige brikker, og når alle brikkene er plassert, fungerer de som en sterk samfunnsmotor, hvor en sterk offentlig sektor samarbeider med partene i arbeidslivet, og myndighetene er med på å trygge velferd til alle. Trygge arbeidsplasser bidrar til endringsvilje og omstillingsflyt i næringslivet. Dette er viktige mekanismer som andre land misunner oss. Om liksom-sosialistene begynner å «shoppe» brikker av denne modellen til sin velferdsdrakt, vil den raskt rakne og sette oss inn i en helt annen samfunnsretning enn dagens. For modellen er fullstendig og kan ikke adopteres av andre – og er helt umulig å kjøpe stykkevis og delt. Da rakner samfunns- og suksesskriterier fort. Budsjettet for 2011 bidrar til økt verdiskaping og fortsatt høy sysselsetting. Landet Norge er i en særstilling, også

For Arbeiderpartiet spiller kommunene en avgjørende rolle i utformingen og organisering av velferdstilbudet, og ikke minst at det er et lokalt styre som avgjør hva som skal prioriteres i den enkelte kommune. Det at lokale folkevalgte har avgjørende innflytelse på barnehage, grunnskole, helsetjenester, pleie og omsorg, er en verdi i seg selv. I tillegg er det beviselig en effektiv måte å organisere seg på, slik f.eks. Borge-utvalget viser i sin utredning.

Slik er det ikke. Det ene er at et sånt system vil forsterke forskjellene mellom kommunene. Den kommunen som hadde nest minst skatteinngang i 2009, fikk inn i overkant av 13 000 kr i skatt pr. innbygger. Den kommunen som hadde mest, fikk inn 60 000 kr pr. innbygger – altså over fire ganger mer. er å gjøre forskjellene i samfunnet større: Mer til dem som har mest fra før. Det andre er at dette er et direkte angrep på lokaldemokratiet. Kommunenes frie inntekter er anslått til 215 milliarder norske kroner neste år. Hvis vi summerer opp utgiftene til det som nå kalles grunnleggende velferdstjenester – som f.eks. barnehage, grunnskole, helsetjeneste, sosialtjeneste, pleie og omsorg – utgjør det om lag fire av fem kroner som kommunene disponerer fritt. Da blir det ikke mye igjen som kommune skal styre, hvis vi skal ta vekk fire av fem kroner. Hva skal vi da med kommunestyrene? Mener Fremskrittspartiet at vi ikke trenger lokale folkevalgte? Er målet til Fremskrittspartiet å effektivisere bort ordføreren? Det er et demokratisk krav at de som erfarer konsekvensene av politikken, også skal ha anledning til innflytelse. Det lokale selvstyret er tuftet på verdiene frihet, deltakelse og effektivitet. Fremskrittspartiets løsning vil føre til flere byråkrater i Oslo, som skal utstede sjekker til brukerne og kontrollere hva som er godt for innbyggerne – både i Vadsø og Vågå og de andre norske kommunene. Altså: mer byråkrati, mindre lokal frihet og en klar begrensning av muligheter for deltakelse for den enkelte innbygger i kommunene. Årets statsbudsjett vart godt motteke ute blant det norske folk. Så svartmålinga frå høgresida her i dag er kommunene. Årets statsbudsjett vart godt motteke ute blant det norske folk. Så svartmålinga frå høgresida her i dag er nok berre ein rein ryggmergsrefleks, for også høgresida ser nok at dette budsjettet faktisk er veldig godt. Noreg er jo nok ein gong kåra til verdas beste land å bu i. Noreg er det landet som har kome ut av finanskrisa med lågast arbeidsløyse i Europa. Noreg er rangert som nummer åtte på Verdsbankens «Doing Business»-liste. Er alt dette berre tilfeldig? Nei, det er resultatet av ein vilja politikk. Det at Noreg skårar høgt på fleire målingar som går på at det er gode rammevilkår for å driva business, at Noreg har høg vekst og verdiskaping, gjer oss ikkje unike. Men det som gjer oss unike, er at vi i tillegg til dette står på topp som verdas beste land å bu i. Høgresida sin retorikk om fellesskap, den norske modellen og valfridom, er han reell? Underbyggjer budsjetta retorikken? Vil den norske modellen, slik vi kjenner han, verta vidareført? Nei, like rettar og like moglegheiter er det som gir reell valfridom. Like moglegheiter er å ha eit sikkerheitsnett for alle, like moglegheiter er gratis helsevesen og eldreomsorg for alle, like moglegheiter er gratis skule, der sonen til ein uføretrygda går i same klasse som dottera til direktøren på verket. Ein stor, god offentleg sektor er faktisk eit kjenneteikn på det norske samfunnet, på den norske modellen. Når høgresida skrik opp om at offentleg sektor veks, ja, så er det fleire sjukeheimsplassar, fleire lærarar, fleire sjukepleiarar vi snakkar om. Når ein snakkar om at offentleg sektor er lite effektiv, ja, så er det læraren og sjukepleiaren som er lite effektive. Kjernetenestene i samfunnet må vera offentlege, ikkje berre finansierte av det offentlege. Men det private skal vera eit supplement til det offentlege, slik er det òg i dag. Debatten her i dag vitnar om at på den eine sida står dei raud-grøne partia som ønskjer å vidareføra samfunnet vårt, som er eit samfunn basert på fellesskap med like rettar og moglegheiter til alle. På den andre sida står Framstegspartiet og Høgre med skattelette og ønske om kommersialisering av utdanning, helse og Det er eit bevisst ordval når dei brukar ordet «kommersialisering», for når Høgre og Framstegspartiet seier noko om den norske modellen, meiner dei kjerneverksemder som skular, sjukeheimar og helse, som skal opnast for private, betalt av det offentlege, og det utan at det skal setjast tak på utbyttet. Det betyr at dei godtek at skattepengane gjer enkeltpersonane rike i staden for at skattekronene … Da var taletiden over. over. For fire år siden deltok jeg som vararepresentant i min først finansdebatt her i Stortinget. Da pratet jeg om livslang læring, og jeg trakk spesielt fram studieforbundene som viktige verktøy, fordi de raskt tilpasser seg de kompetansebehovene som finnes i gjennom finanskrisen har studieforbundene vist seg å være svært nyttige for de bedriftene som måtte omstille seg eller kanskje permittere eller nedbemanne. Dette gjaldt ikke minst i mitt eget hjemfylke, Oppland. Det har vært gjennomført kurs og skolering i rikt omfang. På den bakgrunn er det skummelt å lese Fremskrittspartiets og Høyres alternative statsbudsjett. Begge partier kutter nemlig i studieforbundene med 50

som dette kuttet i realiteten innebærer, skjønner jeg at det vil koste penger. Det er for meg uforståelig at et parti, når vi har verdens matvaresituasjon som bakteppe, kan legge seg på en så usolidarisk linje i landbrukspolitikken. Jeg kommer fra et 10 pst.-fylke når det gjelder landbruk. Vi har på statistikken stort sett 10 pst. av det landbruksproduksjon. Landbruket er ryggraden for bosetting i flere av regionene i fylket mitt. Konsekvensene av Fremskrittspartiets landbrukspolitikk i Oppland, og i mange andre fylker, vil være alvorlig. En liten digresjon til slutt: De kommende årene skal det bygges vei i Oppland som aldri før, takket være en ambisiøs Nasjonal transportplan som de rød-grønne har vedtatt.

for med oss blir det bygd veier både her og der, og det vil fortsatt være en satsing på landbruket. landbruket. Aller først vil jeg komme med en påstand: Presset mot de offentlige velferdsordningene øker igjen. Både Fremskrittspartiet og Høyre ivrer nå for å komme i posisjon for å komme i gang med kommersialisering av bl.a. skole og helse i dette landet. Disse partiene, med sin politikk, og andre sterke krefter i samfunnet

Privatisering av offentlige velferdstjenester har aldri vært en stor valgvinner i Norge. Høyresiden har derfor pakket dette inn i bomull. Høyresiden har derfor lansert sin privatiseringspolitikk under stadige nye honnørord. Høyresidens honnørord er konkurranseutsetting, så valgfrihet og Offentlig Privat Samarbeid, og til sist innovasjonsevne og kreativitet. Men uansett hva de kaller det, resultatet er det samme: privat kapital skal inn for å melke de offentlige budsjettene. Kronargumentet fra tilhengerne av konkurranseutsetting og privatisering er at konkurranse skaper billigere tjenester fordi private aktører er mer effektive og innovative enn de offentlige. Dette er i beste fall udokumenterte påstander, og i de fleste tilfeller er det ikke sant. Det er tre sentrale elementer som ikke framkommer i høyresidens argumentasjon: samfunnsøkonomi, de private aktørenes profittjakt, og hva den type effektivisering går ut over. Arbeiderpartiets politikk er at de store oppgavene skal løses av fellesskapet. For å repetere: Den norske modellen hviler på tre pilarer: gode velferdsordninger betalt gjennom vårt skattesystem en stor og aktiv offentlig sektor trepartssamarbeidet i arbeidslivet Disse grunnpilarene ønsker høyresiden å svekke. Skattekutt og privatisering vil gi dårligere og mindre effektive velferdstilbud. De ønsker å svekke offentlig sektor, noe som betyr privatisering, mer egenbetaling og større forskjeller. Den samme høyresiden ønsker å svekke fagbevegelsen, som vil gi et mindre konstruktivt trepartssamarbeid, med større lønnsforskjeller og høyere konfliktnivå som resultat. Vår politikk er tuftet på troen på å skape og dele. Det er utgangspunktet for et fellesskap der folk har det bra og

Nå er jeg overlege på et sykehus med sitt tredje nyskapte konsulentnavn som befolkningen ikke forstår, og jeg tror de regionale foretakene er dinosaurer som har utspilt sin rolle. Sykehusene er siden 2002 samlet til større og større helseforetak. I 2002, da vi begynte, var det over 20 helseforetak i Helse Sør og Helse Øst. Nå er det bare åtte større foretak igjen, pluss to mindre. Det største foretaket, Oslo universitetssykehus, er nå større enn Helse Nord og nesten like stort som Helse Vest. Det er dårlig bruk av helsekroner å opprettholde fire ulike regionale helseforetak med ansatte og kontorer for å håndtere et nå svært begrenset antall helseforetak. Nå bør helseforetakene, dvs. sykehusene, håndteres av ett nasjonalt nivå. Da vil man kunne drive spesialisthelsetjeneste med felles prioritering og behandling av samme tilstand likt. Jeg tror også at det nasjonale politiske nivået, Stortinget, vil ha sterkere politisk innflytelse på helsetjenestene. Kristelig Folkeparti ønsker å legge ned de regionale helseforetakene og samle sykehusene under én nasjonal sykehusledelse med én nasjonal sykehusplan. Så over til et annet viktig tema, og det er folkehelse. Helse i alt vi gjør, er en god tilnærming. Ansvar for folkehelse legges i de nye planene til hele kommunen, ikke bare til kommunens helsetjeneste. Jeg tror det er avgjørende at hovedtyngden av forebyggende innsats legges utenom legekontor og sykehus. De effektive tiltakene finnes i skjenkepolitikken, i samferdselspolitikken, i skoler uten drop out, i inkluderende bedrifter og i pris- og avgiftssystemer. De finnes i arbeid mot sosial ulikhet og for større deltakelse i Men folkehelseplanen regjeringen legger fram, har noen intensjoner som er i beste laget: Hele folket skal trene, spise gulrøtter, bli venner med naboen, leve i stabile, nære relasjoner, holde seg normalvektige og ikke finne på noen risikable fritidsaktiviteter. Man tror på en gammeldags legerolle, hvor fastlegene skal innkalle dem som er i risikosonen, og gi individuelle helseråd. Dessverre er den tiden over da pasienter hørte på hva legene sa, og gjorde som de fikk beskjed om. Det jeg lurer på, er hva man skal gjøre med alle dem som fortsetter å røyke, ikke vil trene og ikke møter opp til avtalte helsesjekker. Jeg tror man fortsatt må legge vekten på å bruke systemene og samfunnssektorer utenom helsevesenet for å begrense helseskader og forebygge sykdom. I en serie medieoppslag gjennom året har det vært fokusert på lønnsomheten i norsk reiseliv. Statistikken for sommermånedene viser en positiv trend, men for 2010 generelt er

som er med på å holde lønnsomheten nede. På sikt hindrer dette investeringer og langsiktig drift. En forventer at flere reiselivsaktører innen hotell- og restaurantbransjen har foretatt og vil foreta permitteringer og i ytterste konsekvens si opp ansatte grunnet sviktende overnattinger og besøk. Aldri før har det vært så mange hoteller og overnattingssteder til salgs fordi eierne og driverne ikke har klart å få økonomi i Det er mange ting som påvirker om reiselivet skal gå bra eller ikke. Reiseliv er Norges fjerde største næring. Den sysselsetter mange kvinner og deltidsarbeidende, og den er kjempeviktig ute i distriktene, hvor arbeidsmarkedet er forholdsvis begrenset. Derfor er det viktig at vi politikere legger forholdene til rette for næringen, og at rammebetingelsene er forutsigbare. Det er vel ingen tvil om at statsbudsjettet for 2010 ikke er noen stor gavepakke til næringen, selv om det gis en god slump penger til markedsføring av Norge som feriemål. Næringen selv ønsker 50 mill. kr mer, og det har Fremskrittspartiet gitt næringen, nettopp for å bidra til at næringen fortsatt skal være Norges fjerde største. Norges turistnæring sliter i konkurranse med f.eks. Sverige. Dette skyldes flere ting. Kanskje er svenskene dyktigere til å markedsføre sitt land, men det er mange ting vi kan gjøre for å få opp lønnsomheten her hjemme. Derfor er det synd at regjeringen øker en rekke avgifter, bl.a. på alkohol og tobakk med 5 pst. Dette bidrar ikke til at vi får mindre grensehandel. I år blir denne bare i Sverige på ca. 10 mrd. kr. Regjeringen kunne også redusert merverdiavgiften på servering, som er på 25 pst., til 14 pst. Mange steder i Europa er denne på et lavt nivå. Skjenketider er noe annet som næringen hadde sett at regjeringen kunne vært romsligere med. Norge som reiselivsdestinasjon er unik. Vi har en natur som de fleste misunner oss. Da gjelder det å tilrettelegge for bruk av denne. Noe så enkelt som å tillate snøscooterkjøring under kontrollerte former er én ting. Nå reiser mange til Sverige eller Finland og legger igjen mye penger der. Et annet eksempel er å gi romslige reguleringsplaner. Det å f.eks. si ja til et nytt hyttefelt gir mange arbeidsplasser både i nåtid og framtid. Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett er et godt budsjett, hvor også turistnæringen er tilgodesett i større grad enn av regjeringen – dette nettopp for å være en lagspiller, noe alle vinner på. Vi skal framleis skapa og Vi skal framleis skapa og dela. Arbeidarpartiet har ein lang tradisjon for både å leggja til rette for verdiskaping og å fordela goda mest mogleg rettferdig. Det skal vera trygt og godt å bu i landet, og det skal vera føreseielege og varige rammevilkår for næringslivet.

Det er ikkje prioritert frå vår side. Vi har andre satsingar som vi synest er viktigare. Regionale utvekslingsmidlar skal brukast til å skapa innovasjon og entreprenørskap. Vi skal gi kommunane større moglegheit til å bidra som næringsutviklarar. Det blir lagt opp til etablering av eit nytt næringshageprogram, og vi vil stimulera til ei ekstra satsing på bedriftsnettverk for å sikra synergiar som styrkjer konkurranseevna. Eg opplever på min heimplass at små og mellomstore bedrifter etterspør kommunen som den som legg til rette, og som bidragsytar. Dei er opptekne av tilgang på næringsareal, og dei ønskjer kommunen som partnar i næringsutviklinga. Dei etterspør ikkje for å stimulera til samarbeid i nettverk mellom bedrifter. Gjennom å utnytta kvarandre sin kompetanse og sitt utstyr ser vi at bedriftene forbetrar seg og blir meir konkurransedyktige. Satsinga på ungt entreprenørskap skal medverka til at gründerar får utvikla seg og bli dyktige næringsdrivande i framtida. Fleire unge skal få høve til å skapa og driva eiga bedrift. Vi skal sikra vekst i framtida, slik at det framleis blir mykje å dela. Næringsutviklinga skjer i kommunane. Velferdstenestene blir utførde i kommunane. Næringsutvikling er å skapa. Velferd er å dela. Vi skattlegg ikkje for skatten sin del, eller for å terga Høgre-folk, og vi skattlegg ikkje meir enn vi bør. Vi skattlegg for å sikra velferda! Stabile og føreseielege rammevilkår er

og utvikling. Dette er bedrifter som i dag er robuste, og dei bidreg til samfunnet gjennom sin aktivitet med mange gonger det som dei ein gong fekk av midlar for å starte eller vidareutvikle verksemda. Verkemiddelapparatet har altså vore ein viktig føresetnad for å realisere det som i dag bidreg i stort monn tilbake til storsamfunnet. Dette har òg ført til at unge folk – ofte unge folk, men også andre – har fått realisert sin visjon om eit produkt, ein idé, starta si eiga verksemd, og bidreg i dag tilbake til samfunnet, skapar arbeidsplassar Dette er ein del av næringspolitikken som Framstegspartiet og Høgre ikkje er så opptekne av skal vere stabil og føreseieleg. I beste fall skal den vere stabilt og føreseieleg fråverande. Det verkemiddelapparatet som har gitt moglegheiter til så mange og i så høg grad har betalt seg gjennom at desse har verksemder som i dag bidreg til storsamfunnet, vil altså desse partia redusere kraftig. Når det gjeld ei anna gruppe næringsdrivande, dei som jobbar innanfor landbruket, er det jo tydeleg at dei to høgrepartia, utan noko problem, her i kveld gir stemme til eit framlegg som vil føre mange familiar ut i økonomisk krise, og som vil gi aktørar innanfor landbruket om lag ein månad responstid på å tilpasse seg ei dramatisk lågare inntekt – litt av ei julegåve julegåve å gi til mange av landet sine næringsdrivande. Det blir eit skodespel når representantar frå dei same partia, frå denne talarstolen eller i media, bekymrar seg over rovdyrproblematikken eller verneproblematikken, ikkje fordi det ikkje er viktig, men fordi forslaget dei stemmer for her i kveld, er ein langt større trussel for norsk

er det totale skattetrykket for næringslivet her i landet til å leve med. Alt dette er jo godt kjent fra før. Men etter å ha hørt på mange av innleggene her i dag – og for så vidt det siste året – er det behov for å gjenta det at Norge er et godt land å bo i, verdens beste. Også når det gjelder trygghet i hverdagen, er det langt tryggere her enn i de fleste andre land. Riktignok ser vi også i Norge nye trender i kriminaliteten. Vi opplever tilfeller av mobile kriminelle som utnytter våre åpne dører, i dobbelt forstand. Grensene våre er åpne, velstanden vår er synlig og fristelsene blir store for kriminelle besøkende. Med dette som bakteppe har regjeringen de siste

skadefri gjennom finanskrisen, skyldes det vår aktive politikk for å holde folk i arbeid, og det skyldes en stødig finanspolitikk. Det skyldes godt innarbeidede fellesskapsløsninger som karakteriserer den norske modellen. Modellen er også et resultat av et unikt trepartssamarbeid i arbeidslivet. Ingen må Ingen må tro at velferden kunne vært tilsvarende utjevnet med høyresidens politikk. Den slags politikk er satt ut i livet i stor skala ute i verden, og de landene sliter i dag med rekordhøy arbeidsledighet – en arbeidsledighet på mellom 10 og 20 pst. Vårt valgløfte om å ha Europas laveste ledighet er innfridd. Til slutt blir jeg fristet til å ta et lite nipp innom Fremskrittspartiets budsjett. Det anvises skattelette til alle, milliardsatsing til alle gode formål og urealistiske kutt i offentlige sektor. De er på en annen planet.

Den usikkerheten som skapes, med sterk økning i arbeidsløsheten og store kutt i velferden i Europa, gir ikke bare europeiske innbyggere grunn til å være bekymret for framtiden. Det gir også Norge to konkrete utfordringer. For det første kan det bety at vi også framover kan bli rammet av en sterkere økning i arbeidsløsheten, og den andre

Vi fortsetter med dette budsjettet å rette tiltak inn mot tjenestesektoren og da særlig innen renhold i hotell- og restaurantbransjen, hvor vi vet at utfordringene er store. Høyresiden viser at de ikke tar sosial dumping på alvor. Man har ikke den samme troen på politikk for å møte disse utfordringene. Det andre som norske arbeidstakere også må legge seg på minne, er forslaget i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett om å kutte hele fradraget for fagforeningskontingent. Noen prøver å framstille det sånn at denne regjeringen ikke er opptatt av vår private velferd. Det er helt feil. Det er derfor vi er opptatt av et godt organisert arbeidsliv, sterke fagforeninger og en sentral lønnsdannelse, som gjør at alle arbeidstakere i dette landet får nyte godt av en god inntekstutvikling. Høyresidens politikk, med kutt i fradraget for fagforeningskontingent og at man ikke tar det å bekjempe sosial dumping på alvor, er en trussel mot vår private velferd. Man sier at det skal lønne seg å jobbe. Samtidig sier man at det offentlige kan spare 3 mrd. kr ved å sette renhold og kantinetjenester ut på anbud. Dette er arbeidsintensiv industri. Det betyr at når Oslo kommune setter oppdraget med å skaffe vikarer bl.a. innenfor renhold ut på anbud, har ikke bemanningsbyrået som leverer disse tjenestene, råd til å gi dem som gjør en særdeles viktig jobb, en ordentlig tarifflønn. Der svikter man det å sørge for at det skal lønne seg å jobbe, og man svikter også vårt mål om en god privat velferd for alle. I min hjemby, Haugesund, har vi en dikter som heter Kolbein Falkeid, som starter et av diktene sine med «Jeg tror på mennesker som brenner». I finansdebatten i fjor var det en helt annen tone hos de rød-grønne. Da var det engasjerte stortingsrepresentanter som fortalte om sitt rød-grønne prosjekt. I år har det vel knapt vært en eneste rød-grønn representant som har nevnt noe noe om hva regjeringen ønsker å jobbe med de neste tre årene. Det er ganske symptomatisk, og jeg er ganske optimistisk når det gjelder det. Kristin Halvorsen sa rett etter at hun avleverte budsjettet i fjor, at regjeringen manglet sprut. Det ser ut som om regjeringen mangler prosjekt. Når også stortingsrepresentantene mangler den spruten og konsentrerer seg om Høyre,

så ned der, kom det et regjeringsmedlem ut – det var statsråd Audun Lysbakken. Han satte seg i sin statlig eide Mercedes Limousine med privatsjåfør og kjørte forbi i retning Karl Johan, forbi Fattignorges demonstrasjon. Det er kanskje ikke uten grunn at SV har sagt unnskyld til de fattige. Vi vet det har blitt flere fattige med denne regjeringen enn det var da de

Høyre har også sagt at vi skal ha en selvstendig opptjeningsrett for fedre. Og så er det altså sånn – for dem som leser avisen på nettet nattetid: Aftenposten meldte kl. 23.45, rett før midnatt i dag, at regjeringen i morgen vil fremme forslag om tredeling av pappapermen. Det betyr med andre ord at regjeringen synes det er greit at foreldrene velger en tredjedel, mens Høyre vil at

studieplass: Vær så god

blir lett rike i Norge, fordi vår politikk er å skape før vi kan dele. Slik er det ikke i resten av Europa. OECD melder om svak økonomisk vekst neste år. Gjelden er tung som bly. Rentevirkemiddelet er snart tapt fordi renten er nær null mange steder. Gjeldskrisene gjør mange land Gjeldskrisene truer arbeidsplassene, og de truer stabile demokratier. Med blikket vendt mot Europa er det underlig å lytte til opposisjonens beskrivelse av norske forhold. Det er ikke krise ved norske universiteter – spør studentene ved universitetene i London. Det er ikke krise for norsk kultur spør kulturarbeidere i Latvia, der støtten til kulturlivet kuttes med 48 pst. Og det står faktisk bra til med helse- og omsorgstjenestene i Norge. Visst er det mangler. Vi vet vi kan bli enda bedre på mange områder. Like fullt: Nesten alle nordmenn vet de har en fastlege, og av alle offentlige ordninger er folk mest fornøyd med Vinmonopolet, bibliotekene og fastlegene. Hvis jeg trenger øyeblikelig-hjelp-innleggelse på sykehus, er døra åpen – bestandig. Vi finansierer det i fellesskap. Ved døra er det ingen som spør om jeg har bidratt nok. Alle som trenger det, får ny nyre, nytt hjerte eller ny benmarg utelukkende basert på faglige prioriteringer. Denne ideologien er sterk, har egenverdi og vil best videreføres i en fellesskapsbasert modell. I våre helse- og omsorgstjenester er fagfolk på vakt. De er på vakt nå – og alltid. De fortjener skryt og ros. Jeg tror ikke opposisjonen har tenkt over at kontinuerlig nedsabling av helsetjenestene uttrykker mangel på respekt for de hundretusener som arbeider i sektoren.

nå sist ved Jan Tore Sanner i hans hovedinnlegg tidligere i dag. Dette er rett og slett feil, og la meg ta SVs «motmelding» til denne demokratikritikken punkt for punkt. For det første er det slik at norske kommuner og fylkeskommuner ikke bruker mer på administrasjon enn andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. For det andre, og det er særdeles viktig: Den nominelle veksten i administrasjonsutgiftene, som Høyre så begjærlig bruker, må nemlig – selvsagt – ses i sammenheng med at det har vært en sterk vekst i kommunesktorens inntekter i perioden, som igjen har ført til at det har blitt ansatt langt flere personer. Men hovedpoenget er at veksten først og fremst har kommet i tjenestedelen i det Kommune-Norge driver på med, f.eks. innen helse og omsorg og i skole og barnehage. For det er faktisk slik at av de mange tusen – 40 000 – årsverkene vi har fått fra 2005 til 2009, som er en vekst på 11,75 pst., er det bare 2,7 pst. som har kommet i administrasjonen. Så økningen har kommet i tjenester. Eldre, pleietrengende og elever og unger har fått glede av den. Den har ikke kommet i administrasjonen. Faktisk er det en stikk motsatt utvikling når det gjelder når det gjelder administrasjon. Når vi ser på brutto driftutgifter, var de i 2001 på 7,1 pst., i 2005 på 6,8 pst. og nå er de nede på 6,6 pst. Så den rød-grønne regjeringa avbyråkratiserer Kommune-Norge. Det er ikke slik, som Høyre hevder, at det går i stikk motsatt retning. Derimot er vi i SV også opptatt av byråkratiseringsproblematikken, men da først og fremst i statlig sektor, for her er det faresignaler ute og går. Men her er jo poenget at hvis vi får det slik som Høyre vil, vil byråkratiseringsproblemet øke. Det skyldes rett og slett, hvis vi ser på Høyres moderniseringsprosjekt, at det ser ut som det er blitt kopiert og limt rett inn fra en introduksjonsbok i New Public Management. Bak Høyres budsjettekster og program, bak en lyseblå og varm velferdsretorikk, er det konkurranseutsetting, fristilling og privatisering som er Og da trengs det et bestillingsbyråkrati, et kontrollbyråkrati og et rapporteringsbyråkrati – vi ser det allerede nå – som virkelig er i ferd med å vokse fram på en problematisk måte, og Høyre vil ha mer av den type byråkratier. Dette er den byråkratiutfordringa vi står overfor i samfunnet, og den er det Høyre som står i spissen for. Jeg er

det å få arbeid bidrar til muligheter og selvtillit. Arbeid er redskap nr. 1 i kampen mot fattigdom, både økonomisk og sosial fattigdom. Jeg er glad for at denne regjeringen og regjeringen Stoltenberg I har bidratt mye i satsingen mot fattigdom. Jeg mener at satsingen som gjelder «drop outs» i videregående skole, og Kvalifiseringsprogrammet for sosialhjelpsmottakere er to meget

Det andre som vi må følge nøye med på, er økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogrammet som har blitt tatt i bruk for disse menneskene, har gitt svært gode resultater for dem og deres pårørende. Dette er et relativt nytt program. Flere kommuner har ikke brukt det et år engang, så det er litt tidlig å si om det er helt optimalt. Jeg tror det er viktig å følge med på arbeidet, og vurdere om dette programmet skal bli obligatorisk også for dem som mottar økonomisk sosialhjelp. Det er fordi en del av disse menneskene er foreldre. er foreldre. Det er veldig viktig å bryte noen sirkler, slik at ungene deres ser at foreldrene ikke går hjemme, men kommer seg på jobb og er i aktivitet. Et ektepar som bor i mitt nabolag, var mottakere av økonomisk sosialhjelp. Begge deltar nå i Kvalifiseringsprogrammet. Mannen står på terskelen til å gå inn i fast arbeid. Bedriften han hadde arbeidstrening i, har gitt ham muligheten og vil satse på ham. Kvinnen trenger mer tid, men det kan se ut som om det går veien også for henne. Og det å være naboene til ungene deres og se hvor glade de er når de kommer springende mot oss og forteller at pappa har fått arbeid, er både rørende og gjør et sterkt inntrykk. På denne måten forebygger vi at fattigdom går i arv. Vi gir også disse menneskene en verdighetsgaranti. Tall viser at de aller fleste av dem som går, eller har gått, på Kvalifiseringsprogrammet, har gått ut i aktivitet, enten i arbeid, i skole eller i arbeidsrettede tiltak. Det i seg selv er et viktig argument for å se på om vi i framtiden skal gjøre dette obligatorisk. De som alltid har tapt, har nå en større mulighet til ikke å tape lenger. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen viderefører satsingen og fokuseringen på Kvalifiseringsprogrammet og «drop outs» i

om hvordan vi skal sikre vår velferd i fremtiden gjennom verdiskaping og innovasjon. Jeg lyst til også i denne sammenheng å ha nevnt det nordiske samarbeidet. Gjennom det nordiske samarbeidet har vi faktisk en mulighet til å utvirke at vi får en større hjemmebane – et større hjemmemarked, så å si som igjen vil styrke oss i den internasjonale konkurranse globaliseringen betyr for oss. Et Norden som virkelig fungerer, ville samlet sett være verdens tiende største økonomi. Samlet kan våre nettverk, våre bedriftsklynger og vårt hjemmemarked økes betydelig. Det fordrer at vi får Norden til å fungere bedre enn vi gjør i dag. Derfor er det viktig at vi forsterker innsatsen i det nordiske samarbeidet. Det dreier seg først og fremst om det nordiske språkfellesskapet. Der ser vi en utvikling hvor den nordiske språkforståelsen dessverre er i ferd med å bli dårligere. Det er dårlig nytt for å få dette til å fungere. Når svenske arbeidstakere rykker inn i Oslo i tusenvis,

Det er et perspektiv som jeg tror har vært borte fra de flestes tanker, inntil vi på fredagskvelden sitter og ser på «Skavlan», som faktisk åpner et felles rom med Sverige for oss, en type mentalt rom som betyr mye for å se gode sammenhenger. Vi bør også se nærmere på den konsensusorienterte samarbeidsmodellen vi har i Norden. Det går forferdelig smått med fremdriften i det nordiske samarbeidet. Kanskje burde vi vurdere for lettere å ty til løsninger der færre land enn alle de fem finner sammen, finner løsninger to og to eller tre og tre. Den nordiske dimensjonen er ikke bare et spørsmål om kultur, fred og forbrødring. Det er også et spørsmål om å bygge et hjemmemarked som gir oss en bedre plattform for økonomisk utvikling enn den vi har i dag.

som ville redusert utfordringane og tryggje arbeidsplassane. Lat oss sjå på alternativet som får fleirtal i dag, og verknadene det får for kvardagen til næringslivet i eksempelvis Møre og Romsdal, som er mitt heimfylke. Seks år har den sitjande regjeringa hatt på seg til å løyse energiutfordringane som Midt-Noreg har, ei fleirtalsregjering som kan gjere akkurat som ho vil, men som har valt å sitje med hendene i fanget og stole på atomkrafta frå Sverige og Finland eller kolkrafta frå kontinentet. Dette førte til rekordhøge 14 kr/kWh sist vinter, og utsiktene framover denne vinteren er endå dystrare, med rekordlåge vassmagasin. Og ingenting tyder på at desse utfordringane blir løyste med denne regjeringa eller i denne valperioden. Det må ei ny regjering til for å få fram alternativa, ei regjering som vil noko anna enn å prate, ei regjering som handlar og meiningsmålingane indikerer klart regjeringsalternativet. Det forklarer godt sjarmoffensiven og serviliteten til dagens regjering overfor Kristeleg Folkeparti. Her ligg nok redninga dei håpar på, tydelegvis. Så har fleire vore inne på formuesskatten, ein særnorsk skatt som rammar norsk eigarskap, ein skatt på med andre ord ein skatt som truar norske arbeidsplassar, men ein skatt som utanlandske eigarar er fritekne for, og som viser det meiningslause denne skatten på arbeidsplassane representerer. Og med mange skapande gründerar som eigarar i denne regionen blir også generasjonsskiftet ein fare for eigarstruktur og arbeidsplassar gjennom I motsetning til våre naboland klarer vi heller ikkje å fjerne revisjonsplikta på små, oversiktlege bedrifter med få fakturaer i året og låg omsetning. Når så desse bedriftene, trass i nemnde utfordringar, har produsert og selt sine varer og skal frakte dei ut til marknaden, kva blir dei då tilbydd? Jo, i Møre og Romsdal har vi ein veg vi kallar eksportvegen, E139. Der fraktar vi 11 pst. av all norsk fastlandseksport som representerer verdiar i storleiken 20 mrd. kr. Etappevis er denne vegen så smal at det ikkje finst midtstripe. Delar av han heng i boltar i fjellsida, og slik har han hange sidan krigen, då han blei laga. Alternativet den sitjande regjeringa tilbyr, er å betale vegen sjølv gjennom bompengar. Slik kunne

Vi har spurt mange ganger i løpet av denne dagen om hvilken økonomi, hvilke land eller hvilke samfunn som kan vise fram et slikt eksempel. Det er ingen som svarer på det. Det er selvfølgelig fordi det ikke er lett å svare på det, for det finnes ikke noen slike eksempler. Jeg vil på slutten av denne debatten bare si at den dynamikken som jo er skapt under den rød-grønne regjeringen, er helt formidabel. Det er altså skapt 253 000 flere arbeidsplasser i løpet av disse årene – jeg gjentar: 253 000 flere arbeidsplasser. Tre av fire av dem er i privat sektor. Verdiskapingen har aldri vært høyere, med det skattenivået og den skatteprofilen som vi har. Dette er jo fakta, som Stortinget selvfølgelig forholder seg til, og som på mange måter svarer på og legger død den argumentasjonen som høyresiden har for hvordan skatteprofilen skal være organisert. Det andre som har gått igjen i debatten, er privatisering. Det skal gi mer valgfrihet, som igjen skal skape en dynamisk utvikling i samfunnet. Det er ganske merkelig da å høre representanter for høyresiden si at det ikke er ekte privatisering; det offentlige skal jo betale. Hvorfor kan de ikke gå løpet helt ut og snakke om reell privatisering, hvis det er den dynamikken vi har. Paradokset i dette er jo at de skal offentliggjøre grunnlagsinvesteringene, men så skal de private komme inn og høste en fortjeneste, og de som da har råd til å bruke disse tjenestene, skal altså kunne komme først i køen. Representanten Solberg prøvde å avvise vår parlamentariske leders eksempel fra Danmark. Der er situasjonen den at i løpet av de siste årene har antallet helseforsikringer økt fra 200 000 til 1 000 000, og blant den millionen er det 59 pst. av dem som har en lønning på mellom 500 000 kr og 700 000 kr, som har helseforsikring, og bare 12 pst. av dem som har en lønn på mellom 100 000 kr og 300 000 kr. Det forteller hvilket klasseskille som dette utvikler.

I Norge er det, ifølge representanten Kambe, trist og leit at vi har arbeidsgiveravgift og formuesskatt. Det var nok mye bedre da representanten Kambes parti styrte, da vanlige folk betalte mye, mye mer i formuesskatt, og arbeidsgiveravgiften ikke var differensiert. I Norge er det ikke minst trasig fordi regjeringspartiene leser opposisjonens budsjettforslag og tar dem på alvor. Hvilken frekkhet å behandle opposisjonen som om den mener det den skriver! I utlandet er det sikkert mye bedre. I utlandet har de jo også det dynamiske arbeidslivet som Høyre etterlyser, så dynamisk er det faktisk at ungdommer er nødt til å komme til Norge for å få jobb. De gode veiene vi har i Norge, etter tidenes satsing på samferdsel, er også triste og leie, for de er delvis bompengefinansiert, og det er en styggedom – bortsett fra i Bergen og ikke minst i Oslo, der Fremskrittspartiet styrer; da er bompenger greit. I Norge er det trasig at enslige forsørgere kan få overgangsstønad og utdanningsstønad. Derfor foreslår opposisjonen å kutte i Hvis ikke kan det jo tenkes at fattige kvinner får litt mer og rike menn litt mindre. Men man må ikke snakke for høyt om slikt. Da kan det hende at befolkningen husker representanten Tetzschners planer om å kutte i sykelønnen. Derfor hører vi ikke så mye mer om sykelønn fra Oslo Høyre om dagen – om ikke annet er det en velfortjent pause fra hetsen mot landets syke og uføre, som i en årrekke har blitt framstilt som late og kalkulerende. Det er ikke minst trasig at Norge tar imot mennesker i nød, og at vi gir hjelp og bistand til land som trenger det. Norge blir nok litt mindre trasig om man slipper inn færre flyktninger, slik Fremskrittspartiet vil, og kutter all bistand til Latin-Amerika, slik Høyre vil, så vi får slutt på arbeidet med demokratiutvikling, menneskerettigheter, likestilling og urfolk. Hvilken uslåelig kombinasjon disse to partiene vil utgjøre i regjering! Jeg lever godt med at høyresiden synes at alt dette er trist og leit, og jeg lever godt med at opposisjonen bærer seg når den rød-grønne regjeringen stopper Clemets privatisering av skolen, øker bistanden, gjennomfører sterkere trygdeoppgjør, holder arbeidsløsheten lav, og når vi nå slår et slag for naturmangfoldet, forsvarer allemannsretten, beskytter fagorganiserte og arbeidsmiljøloven osv. For hver gang jeg tenker at nå får vi litt kjeft, eller jeg kjenner utålmodigheten stige, da hører jeg bannbullene fra Høyre og Fremskrittspartiet når det skinner igjennom hvor uutholdelig de synes det er at det er Sosialistisk Venstreparti som styrer landet, og ikke rikfolkenes våpendragere. våpendragere. Mye av det høyresiden synes er trist og trasig, er faktisk ting som betyr en litt bedre hverdag for veldig mange andre. Så får heller representanten Kambe synes det er trist og leit med en moderne likestillingspolitikk. Det må da nesten bare være representanten Serigstad Valen som synes det er

at SV sitter i regjering. Jeg synes også at representanten Kolberg er litt underlig, for han bruker jo nettopp den dynamikken som den borgerlige regjeringen skapte i forrige periode, og den fantastiske gullalderen vi hadde fram til finanskrisen – hvordan den skapte jobber – til å prøve å dokumentere hva som har skjedd i den perioden her. Det er jo faktisk da bedre å se på hva som har finanskrisen. Det er jo basisen for det vi nå diskuterer. Der har vi hatt en kraftig dreining av antall timeverk fra privat sektor og over til offentlig sektor. Altså har vi fått en forrykking i balansen mellom offentlig og privat, som er bekymringsfullt. Det er heller ingen tvil om at byråkratiseringspilene går rett til Det er ikke vanskelig å dokumentere. Vi har flere spørsmål til Finansdepartementet i runden rundt statsbudsjettet som dokumenterer det. Så Norge er blitt overbyråkratisert. Og representanten Hagen burde kanskje studere noen av de svarene vi har fått fra Finansdepartementet. Vi må altså begynne å tenke på å skape mer, ikke skatte mer, og vi må over på en vekstfremmende skattepolitikk i stedet for en veksthemmende skattepolitikk. Det er jo nettopp det lyset vi har satt formuesskatten i. Og når jeg hører representanten Henriksen fokusere på de regionale utviklingsmidlene, vil jeg først og fremst minne om at vårt fokus er at bedriftene kanskje skal få lov til å beholde mer av sin egenkapital. Da tror jeg ikke så mange kommer til å etterlyse de regionale utviklingsmidlene. I tillegg setter vi av penger til økt samferdselssatsing. Det er i hvert fall noe som Bedrifts-Norge etterlyser. Og vi har også satt av en pott til lokal næringsutvikling, gjennom kommunene. Stokkan-Grande var også inne på det samme regnestykket som representanten Thorkildsen var inne på tidligere. Vi har en skattepolitikk som gir nøyaktig samme skattelette til dem som har 480 000 kr i inntekt som til dem som har 3 mill. kr i inntekt. Resten kommer fra formue. Man tåler ikke at private eier arbeidsplasser – man vil ha arbeidsplasser, men det er bare utlendinger og staten som skal eie dem. Det tror jeg er en ødeleggende næringspolitikk, og den kommer til å koste oss dyrt over tid. Denne debatten har dreid seg om hvem som skal avløse den rød-grønne regjeringen i 2013. Det er

La meg da bare minne om hva Høyre har sagt gjennom fem år, og som vi kommer til å fortsette å si i de kommende tre år, nemlig at Høyre ønsker et samarbeid som baserer seg på alle de fire borgerlige partiene, og vi er glad for at de fire borgerlige partiene trekker i samme retning. Jeg må erkjenne at jeg i denne debatten har sittet ganske lamslått under deler av diskusjonen, for jeg tror det er lenge siden jeg har opplevd så mange usannheter i en debatt, så mange konstruerte skremmebilder, som det vi har hørt i denne diskusjonen. Det kan ikke være uttrykk for annet enn en dyp frustrasjon i de rød-grønne partiene over egen regjering, og en dyp desperasjon over at timeglasset er Det samfunnet som de rød-grønne skryter av, og som de nå mener er truet, er et samfunn som Høyre har vært med på å bygge opp! Solhjell sa at det at vi har små forskjeller i det norske samfunnet, er et resultat av politikk gjennom tiår. Ja, det er tiår da Høyre også har sittet ved regjeringsmakten. Det er tiår da Høyre har vært med på å drive frem sosiale reformer og velferdsreformer, og jeg registrerer at når vi ikke sitter med regjeringsmakten, kommer Arbeiderpartiet til Høyre og spør om ikke vi kan være med på forlik om velferdsreformer. Og så kommer man i denne debatten og forsøker å fremstille det som om Høyre vil privatisere velferden. Det er ikke sant! Høyre foreslår ikke noen privatisering av helsevesenet. Tvert imot. Vi foreslår å bruke mer penger på helsevesenet for å få helsekøene ned. Høyre foreslår ikke privatisering av skolen. Vi foreslår å bruke én milliard mer på den offentlige skolen for å styrke elevenes muligheter. Høyre er ikke imot fagforeninger. Høyre er for et velorganisert arbeidsliv. Vi er for et inkluderende arbeidsliv. Vi er for å åpne dørene til arbeidsmarkedet for flere. Når Høyre reduserer skatter og avgifter med la meg da bare minne om at regjeringen bruker nye 60 mrd. kr over offentlige budsjetter neste år. 10 av de 60 mrd. kr bruker Høyre for å styrke bedrifter og arbeidsplasser. Det er sosialt. Det vil bidra til å styrke velferden. La meg også bare si til slutt at når Høyre ikke gir noen subsidiær

med den sittende regjeringen. Jeg er også svært stolt av det prosjektet vi er en del av, og som vi nå har tre år på å fullføre, slik at Norge blir et enda bedre land å bo i. Men så har jeg og flere andre blitt angrepet fordi vi har gått inn i budsjettene til Høyre og Fremskrittspartiet og brukt noe tid på det. Sågar var det en som sa at jeg brukte hele mitt innlegg til å angripe Høyre Den første tredjedelen av innlegget mitt handlet tvert imot om en historisk beskrivelse av den nordiske modellen, hvor jeg faktisk ga ros til tre av de fire opposisjonspartiene for å ha vært med på reformer som er viktige. Den andre tredjedelen av innlegget mitt handlet om en skatteberegningsanalyse av de alternative budsjettene som Finansdepartementet har gjort, og den siste tredjedelen var min personlige analyse av hva det vil føre til for Norge i framtiden. Hadde jeg regnet som en del andre, hadde jeg sikkert hatt en tredjedel til å snakke om, men det hadde jeg altså ikke. Men det er pussig – jeg sluttet å telle kritikk fra spesielt Høyre, men også fra Fremskrittspartiet, i 15 innlegg, hvor man rett og slett var litt indignert over at vi brukte tid på deres alternative statsbudsjetter. Er det én dag i året hvor det er helt legitimt for posisjonen rett og slett å rette et kritisk søkelys mot opposisjonen, er det jo denne dagen, hvor vi faktisk får se hva alternativet er. Da må det også være legitimt å sette spørsmålstegn ved den politikken opposisjonen legger fram. Men det er tydelig at vi har truffet en nerve som har vært litt vond. Spesielt har jeg lagt merke til at verken Høyre eller Fremskrittspartiet har vært noe særlig glad i å snakke om det som åpenbart er den største satsingen i de to budsjettene, nemlig skattelettelse. Det er altså ti ganger større satsing på skattelettelse i Høyres budsjett enn det er på kunnskapssamfunnet, men det vil de ikke snakke om. Det er litt pussig. Og hvorfor ikke det? Jo, fordi det treffer ikke den nerven der ute, som man skulle ønske at det gjorde. I store deler av denne debatten må jo de som har lyttet, ha trodd at vi egentlig diskuterte regjeringsalternativer foran et valg som skal skje om tre år, og

et behandlingssted for sine russkader, eller som står i kø for å få en operasjon, eller som står i kø for å få plass på sykehjem, om representantene her i salen hadde brukt mesteparten, i hvert fall, av tiden på de utfordringene vi tross alt har i dette landet – selv om vi fra Kristelig Folkeparti skal være de første til å si at Norge er et meget godt land å bo i. Men vi er ikke uten utfordringer.

der han ikke minst påpeker at vi inntil for noen få år siden kompenserte vårt høye kostnadsnivå med en produktivitetsvekst. Det har bortfalt de to–tre siste årene. Vår konkurranseevne i forhold til utlandet går den gale veien. Jeg synes at det forplikter også de å si noe om hva man vil gjøre for å kompensere for det tapet vi faktisk har overfor mange av de land som vi konkurrerer med, og som ikke minst konkurranseutsatt industri skal kjempe mot. Så til dette med privatisering: At bestemor skulle ut på anbud, var jo en slager fra de rød-grønne før siste valg. Det jeg ikke har fått noe svar på i denne debatten, er hvorfor det er greit at psykiatriske pasienter skal ut på anbud, hvorfor det er greit at de rusavhengige skal ut på anbud, hvorfor det er greit at barnevernsbarn skal ut på anbud, og hvorfor det er greit at den rød-grønne regjeringen nedlegger en masse ideelle organisasjoner som

at opposisjonen i en debatt som finansdebatten, som representanten Thomas Breen helt riktig påpeker, hvor de reelle avveiningene til de ulike politiske partiene i denne sal legges fram, også må tåle å bli sett i kortene og satt et kritisk søkelys på. At det er ubehagelig når det er klare, sammenfallende trekk mellom de to største opposisjonspartiene på høyresiden for enkelte, er til å leve med. Det tror jeg man rett og slett må venne seg til, når man tross alt sier viktigste, og i det hele tatt har veldig sammenfallende inndekningsforslag i sine budsjettforslag. Det er den ene kommentaren jeg har. Den andre kommentaren er at den store x-faktoren som gjenstår i norsk politikk, handler jo om hvordan man skal legge opp en økonomisk politikk som det er mulig å bli enig om på borgerlig side. Jeg er helt sikker på at dette kommer vi til å ha mange anledninger til å diskutere, både representanten Sanner, representanten Leirstein og andre som må finne løsninger på tvers av partigrensene, i et veldig krevende spørsmål på borgerlig side. Vi må ikke glemme at vi er vanvittig privilegerte i Norge. Vi lever i et samfunn som er trygt, et samfunn med alle muligheter hvis man vil, et samfunn hvor vi har mye å være bevare. Så tror jeg det fra ulike partier her har vært uttrykt utålmodighet på mange felt, men det har også vist at denne debatten har vært ideologisk, i den forstand at det er ulike varianter, ulike retninger, man ønsker for å oppnå de politiske målene man har. Da gjenstår dette til slutt: Man må tørre å si nei til noe for å si ja til noe. Da har denne debatten på nytt vist at det er markante hovedskiller i norsk politikk. Den rød-grønne regjeringen har lagt fram sitt budsjett, som har blitt kommentert og kritisert i ukevis før denne debatten. Nå har vi altså hatt anledning til å diskutere opposisjonens alternativer, og det har jeg vært glad for. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1–4. Stortinget er da klar til å
at du

du har

det er godt gjort

jeg nå det på nytt er på

83 forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre forslag nr. 3, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 4–71, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet forslag nr. 72, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre forslag nr. 73, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre forslagene nr. 74–79, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti forslagene nr. 80–83, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

Til denne saken er det satt fram i alt 100 forslag. Det er forslagene nr. 11 og 12, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre forslag nr. 13, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre forslag nr. 14, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet og Venstre forslag nr. 14, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet og Venstre forslagene nr. 15–18, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre forslagene nr. 1, 7, 19–37, 96 og 97, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 38–40, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre forslagene nr. 3, 8, 43–55 og 98, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre forslagene nr. 4, 5, 9, 56–67 og 99, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti forslagene nr. 6, 10, 68–95 og 100, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre Når det gjelder den videre votering, vil presidenten henvise til Venstre Når det gjelder den videre votering, vil presidenten henvise til § 21 i Stortingets forretningsorden. Der går det fram at når det er gjort vedtak om beløpsrammer for de 23 rammeområdene som budsjettet er delt inn i, kan ikke de vedtatte beløp fravikes ved den videre Vedtak om beløpsrammer ble gjort under foregående sak, og det fører til at en del av de framsatte mindretallsforslag som nå foreligger, ikke vil komme til votering og vil bortfalle fordi de bygger på andre rammebeløp enn

rammeområde 18. Som presidenten har redegjort for, bortfaller avvikende forslag, både for rammeområde 18 og dem som kommer etter. Presidenten regner med at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme imot innstillingen. Presidenten regner med at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme imot. Da har vi kommet til rammeområde 22, og det

Da har vi kommet til rammeområde 22, og det er under det området Stortinget skal vedta skatte- og avgiftsreglene og inntekter av dem for neste år. Rammeområde 22 er omfattende, og vi skal altså votere samlet over

Folkeparti og Venstre forslagene nr. 12–14, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 15 og 16, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 17 og 18, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre forslagene nr. 19–27, 28a, 28b, 29a og 29b, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre forslag nr. 30, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre forslagene nr. 31–38, 39a, 39b, 40 og 41, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti forslagene nr. 42–61, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre Forslag nr. 28b, fra Høyre, lyder: «Stortinget ber regjeringen oppheve § 18-2 i forskrift til

Dette innebærer at hvis mindretallets forslag faller, vil forslagsstillerne deretter støtte innstillingen på disse paragrafene. Det er blitt konferert med forslagsstillerne om dette på forhånd. Presidenten vil understreke den selvfølgelige forutsetning at når partiene aksepterer en slik voteringspraksis, skal dette ikke bli brukt mot et parti ved Det voteres først over alle mindretallsforslag, hvor vi starter med minste fraksjon. Deretter voteres det over innstillingens forslag til vedtak, hvor vi starter med alle lover som antas å bli enstemmig vedtatt. Videre voteres det over skatteloven, som vi finner under stor bokstav H i innstillingen. Her vil presidenten først ta opp alle paragrafer som ulike fraksjoner ønsker å stemme imot. Så voteres det over alle paragrafer i skatteloven som antas å bli enstemmig vedtatt. Så voteres det over gjenstående lover, stor bokstav B, C, J og L, sånn at de som ønsker å stemme imot også her, får anledning til det. Til slutt voteres det over lovenes overskrift og lovene i sin helhet.

allerede er
ein

har meget gode